Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett – og anser det

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem

2020, under forutsetning av at avtalen om Norges forpliktelser under EUs fornybardirektiv er på

Det er en sammenheng mellom energi og klimautfordringen: Vi vil neppe kunne løse de store klimautfordringene uten å Gjennom å øke vår produksjon av fornybar energi bidrar vi til å kunne redusere elektrisitetsforbruket basert på fossile kilder, spesielt gjennom økt kraftutveksling med naboland. Etter Høyres mening er det viktig å få etablere et normalår har Norge allerede i dag et netto overskudd av elektrisitet. Når vi nå etablerer et felles elsertifikatmarked med Sverige, er det viktig at vi tilrettelegger for at halvparten av investeringene og den økte fornybarproduksjonen faktisk kommer i Norge. Avtalen om elsertifikater sier at

Da er det viktig at forholdene legges til rette fra myndighetenes side både gjennom effektive konsesjonsprosesser, gjennom bedre infrastruktur som gjør at de enkelte produsentene kan koble seg opp til et linjenett, og gjennom økt kapasitet på kraftutvekslingen med Første betingelse for ny produksjon er at det faktisk finnes et marked for nye volumer. Høyre er opptatt av at en slik aktiv tilrettelegging skjer fra norske

De som bygde ut kraftproduksjon, skulle ikke tape på det ved innføring av et marked for grønne sertifikater senere. Disse prinsippene og politiske løftene ble ikke fulgt opp i denne lovproposisjonen fra

som får ta del i en overgangsordning, med fradrag for den tiden de har vært i drift. Høyre har stor forståelse for at mange investorer og småkraftutbyggere føler seg lurt og opplever at de har på et feilaktig grunnlag i tillit til at politikerne sto ved sitt klare løfte fra 2004. Dette er ikke måten vi skaper forutsigbarhet og langsiktighet for investeringer i ny energiproduksjon på. Høyre

kan bli tidsmessig forsinket. Høyre har derfor, sammen med andre partier, fremmet forslag om at norske myndigheter også skal tilrettelegge for at en etter søknad kan få godkjent prosjekter som faktisk i drift etter utløpet av 2020. På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti tar jeg opp

og folk har betalt

har hatt ulike rammebetingelser nærmest hvert år med hensyn til støttenivå og støttesystem. Sånn kan det ikke være. I dag får vi vedtatt den forutsigbarheten som må til for at mange investorer skal våge å risikere sine egne penger på å bygge landet og bygge lokalsamfunn. Nå kan en ta viktige

bli mer nyansert! Det er også gledelig at det systemet vi nå inntar, er markedsbasert og ikke

heldigvis Fremskrittspartiet og opposisjonen fram, ved at småkraftverk nå er inkludert i systemet som blir vedtatt. Vi forutsetter også at NVE opererer systemet som

den endelige ordningen, skulle få være med i overgangsordningen. Det løftet bryter regjeringen. Det er ikke tilstrekkelig å si at

er de som skal ta regningen for det, er uholdbart. Problemet er jo òg at dette er ikke første gang. Pionerene innenfor vindkraft opplevde det samme, og pionerene innenfor biodrivstoff opplevde det samme. Jeg

handler om å komme raskt i gang for å få være med i hele

Jeg er enig med representanten Solvik-Olsen i at dette er en gledens dag. Nå skulle en

energisparing, de siste årene. Dette skal jeg komme tilbake til. Det er helt avgjørende med ny fornybar energi for å nå de klimamålene som både vi, og andre land, har satt. Norge er jo et

endringer. Som sagt har Norge en lang og stolt historie som fornybarnasjon på elsiden, og med et felles grønt sertifikatmarked med Sverige legges det til rette for et nytt Nesten ingen land i Europa er i rute når det gjelder å nå de målene de har satt seg for å hindre en ukontrollert global oppvarming. Riktignok er det sånn at overgang fra kull til gass i elforsyningen i mange land gir kraftig redusert utslipp, men det er ikke på langt nær nok for å komme i mål med det vi

Jeg frykter ikke at vi skal mangle ting å bruke vår nye fornybare energi på. Det er fordi samfunnet vårt om få år sannsynligvis vil se ganske annerledes ut. Vi ønsker en fortsatt industriutvikling på fastlandet i Norge. Jeg har i hvert fall et mål om at mesteparten av vår bilpark etter hvert skal bli elektrisk. Det er utrolig viktig, og det er ikke så urealistisk som enkelte skal ha det til. Tvert imot er det det. Og med smarte nett og biler med god batterikapasitet får vi også etter hvert et nett med en langt større dynamikk internt. Ikke minst trenger vi kraft til å gjennomføre store klimaprosjekter også, bl.a. elektrifisering av sokkelen, som er et veldig sentralt virkemiddel i Klimakur, som vi skal komme tilbake til i høst, og som jeg regner med at det også blir litt debatt om senere i dag gleder jeg meg jo også til å holde av en del av Norges framtidige kraftproduksjon til gjennomføring av bygging av lyntog mellom de store byene i landet. Dette forutsetter, som flere har vært inne

Så til slutt må jeg bare innom det jeg alltid snakker om når jeg har muligheten til det, og det er også andre sertifikatsystemer. Det er all grunn til å tro at Det bør også reise debatten om teknologinøytrale støtteordninger for energisparing, som jeg vet at det er oppslutning om, helt fra Fremskrittspartiet og til SV. Det er fordi vi vi bygger ut mye ny fornybar kraft, at den kraften brukes så smart og så intelligent som mulig, slik at den kommer best mulig til nytte, og at tapet er så lite som mulig. Så jeg debatten framover om Enovas framtidige rolle også til at teknologinøytrale og teknologidrevne støtteordninger for energisparing også blir en del av den debatten, slik Stortinget har varslet tidligere. For Senterpartiet er

Av og til er det rett å gå lenger enn det marknaden sjølv legg til rette for, for å stimulere til ny teknologi eller

er ei viktig lov, og det er ei lov som vil setje spor etter seg i form av produksjon av fornybar energi og miljømessig rett tenking i Det var svært viktig for Senterpartiet å få på plass ein grøn sertifikatmarknad – det er noko vi har jobba for i mange år – og det er svært gledeleg at vi behandlar

i produksjonen av denne fornybare krafta. Produksjonen vil skje over heile landet og leggje til rette for sysselsetjing og kompetanseutvikling. Satsinga vil kunne bidra til

betale ein urimeleg stor del, eller ein større del, av den kostnaden den infrastrukturen som er nødvendig, utgjer. Så eg er glad for at regjeringa varslar ei melding om nettpolitikken framover. Det vil vere viktig.

på fornybar kraft. Det vil vere eit viktig bidrag frå oss som styresmakter for å realisere den satsinga som det her er snakk om.

elsertifikater. Regjeringen innfrir i dag sitt løfte om å etablere et marked for grønne elsertifikater, seks år etter at det opprinnelig skulle være på plass.

det gjelder EUs fornybardirektiv, men at vi leverer. Skal vi levere i forbindelse med EUs fornybardirektiv og på elsertifikatmarkedet, er det viktig med en styrking av overføringene til utlandet. Vi må håndtere mer kraft. Norge og

næringsaktør har for igangsettelse av prosjekter. Det er viktig at det legges godt til rette for at vi i Norge kan realisere vår halvdel av

fra og med 1. januar 2004, og som ellers vil bli tilkjent grønt sertifikat, får det. fra olje- og energiminister Einar Steensnæs der han uttaler: «Jeg vil understreke at de som bygger ut kraftproduksjon nå ikke

7. september 2009 blir med i et elsertifikatmarked, med fradrag for tiden de har vært i drift. Men for kraftverk som er bygd mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009, er det nå bare for den tiden de har vært i drift. Kristelig Folkeparti er av den oppfatning at det er viktig at vi er pålitelige og forutsigbare. Denne tilliten har ligget til har investert i småkraftverk etter 2004. Man må kunne stole på at det en enstemmig komité på Stortinget sier, blir fulgt opp. En rekke enkeltpersoner og bedrifter har gjort tatt betydelig økonomisk risiko for å bygge ut fornybar energi. De har gjort det et samlet storting har bedt om, men i dag har de altså ikke fått en premiering de hadde fortjent. Som flere har

Jeg har brukt tid på dette før her i Stortinget, men jeg vil si det igjen: Venstre skjønner fortsatt ikke hvordan det er mulig at regjeringen bruker tid og krefter på å forhandle ned Norges fornybarforpliktelser i forhandlingene med EU, å få klimagassutslippene i Norge ned i samsvar med et klimaforlik de har vært med på å underskrive. Men det at det nå er et samlet storting som innser at markedet er den beste motoren for å få på plass en fornybarsatsing i Norge. Markedet avgjør prisene på elsertifikatene. Dersom det

på det som etter mitt skjønn er en energipolitisk festdag for Stortinget – nå først

Vi har nå lagt fram lov om elsertifikater. Fra regjeringens synspunkt er vi veldig glad for at vi har lyktes med å oppnå et felles marked med

I 2008 la Sveriges næringsminister Maud Olofsson og Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fram en forståelse om utviklingen av et felles marked for elsertifikater. I september 2009 presenterte de to ministrene en overenskomst om prinsippene for det Og endelig – i desember 2010 – kunne de legge fram en protokoll om arbeidet med det felles elsertifikatmarkedet og prinsippene for det videre samarbeidet. Det er derfor

bety en betydelig økt utbyggingstakt i årene som kommer, og som flere har vært inne på, vil det stille oss overfor mange nye utfordringer. Vi er nødt til å ha et konsesjonssystem

og en fornuftig prising på el. Det har vært tilløp til debatt om hvorvidt dette vil føre til et stort overskudd av kraft. Jeg ville ha vært forsiktig med å fastslå fra

vurderingene. Jeg legger også vekt på at rammene skal være langsiktige, stabile og forutsigbare. Derfor har vi valgt å være stramme når det gjelder unntaksbestemmelsene, og derfor har vi også valgt å være stramme når det gjelder den perioden kan melde seg på. Det er et svært forutsigbart system som nå ligger på Stortingets bord. Vi jobber videre med å få på mellom Norge og Sverige, og selvsagt også med implementeringen av fornybardirektivet, som er forutsetningen for at vi skal lykkes med dette. Dette er – oppsummert – en god dag for klima, en god dag for forsyningssikkerheten, en god dag for

Han kan godt ta to; da får han det. Takk, president. Det er mye

vi har forpliktet oss til. Jeg mener at vi – som sagt i innlegget mitt – er nødt til å ha fokus på forutsigbarhet og faste rammer rundt de beslutningene som tas. Og et signal nå om at man kan få tildelt sertifikat etter at tildelingsperioden er over i 2020, vil også kunne skape uheldige tilpasninger i og få effekter som jeg er helt sikker på at både jeg og representanten Solvik-Olsen er enige om vil være uheldige. Det er et valg som regjeringen har tatt. Det ligger ingen åpning i dagens lovtekst for at man skal få tildelt elsertifikat etter utgangen av 2020.

Men vårt mål er selvsagt at vi ikke skal suboptimalisere ressurser, eller få investeringer på et sted man egentlig ikke burde fått dem på grunn av at systemene ikke virker Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå i Norge, i tillegg til å etablere denne forutsigbarheten, er å sørge for at konsesjonssystemet vårt er dimensjonert for å ta unna søknadsmengden fortløpende, slik at

for dem som ikke har blitt med. Det er mitt håp at økonomien i de prosjektene som er gjennomført, ikke er av en slik karakter at man taper penger på dem, men at man

i valget i 2009. I dag er det ikke foregangsmennene våre, de som er opptatt av entreprenørskap og de som er opptatt av utvikling i forhold til småkraft, som blir premiert, men det er

klimavennlig. Enova er omtalt i proposisjonen, Enova vil få en annen oppgave fordi vi nå etablerer et annet system for det som handler om elektrisitet.

betale, var et viktig prinsipp da klimaforliket ble inngått i sin tid. Som jeg sa i mitt innlegg, den jevne forbruker som må betale for dette. Deler statsråden, som nå fremstår som en grønn statsråd, denne bekymringen med
Definitivt ikke, for å være veldig tydelig. Jeg synes det er et svært merkelig resonnement Venstre legger til grunn for konklusjonen. Det å drive med industriproduksjon i Norge er ikke imot representerer vår industri de mest framoverlente, gode og framtidsrettede løsningene som verden trenger mer av hvis man skal møte de utfordringene som står foran oss. Så vi er selvsagt ikke

at man trenger det. Det er jo først i det øyeblikket man har en eller annen form for utslipp, man skal betale. Jeg synes det er helt rimelig at industrien ikke skal være med og

takke

Jeg vil også peke på at innføringen av elsertifikatet vil være et viktig verktøy for at Norge kan innfri forpliktelsene overfor fornybar industriproduksjon i henhold til EUs fornybardirektiv. Norge er jo en stor Jeg har også merket meg at i forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i

når det kom på plass. Men det ble ikke lagt fram for Stortinget en presisering av hvilke anlegg som skulle være med i Det er viktig å ha med seg. Overenskomsten mellom Norge og Sverige av 7. september 2009 avklarte de avgjørende rammene for det felles elsertifikatmarkedet. I tillegg har man merket seg at statsråd Ola Borten Moe har gjort det klart for bransjen at de ikke kan forvente at overgangsordningen fra november 2009 kommer til å endres. Inkluderingen av noen vannkraftverk, som det også er sagt her,

både i Norge og mellom Norge og utlandet. En styrking av overføringene til utlandet er nødvendig for å Vi vil også påpeke at Norge i dag er en del av et europeisk og nordisk kraftmarked, og at Norge særlig i tørrår er avhengig av import av kraft for å Jeg vil også understreke at utbygging av ny kapasitet mellom Norge og utlandet må komme norske forbrukere og norsk næringsliv Det som også er bra, er at regjeringen har varslet to stortingsmeldinger – den ene en energimelding, den andre om nettpolitikk. Da får vi rikelig anledning til å diskutere energi og som jeg synes er utrolig viktig, og som vi også har fått belyst her i dag, er det som er gjort i forhold til industrien, og at man har en

om SVs haldning om at gass ikkje er ein så viktig del av næringssatsinga, og det er rett. Grunnen til det er jo at fornybar og fornuftig bruk av gass innanlands, som ville gitt

president. Saken om elsertifikater har ofte blitt omtalt i denne salen, og jeg har registrert en utålmodighet i denne sammenhengen, og det synes jeg er bra. det er viktig at vi tar oss tid til å skape et godt grunnlag for slike omfattende og viktige vedtak. Nå kommer denne viktige saken på plass, og det tror jeg alle er glad for. I proposisjonen gjøres detaljene klare, og den nye ordningen vil være klar for at visjonen er at Norge skal være en miljøvennlig og Vi er så heldige her i Norge å være i besittelse av både fornybare ressurser og ressurser som ikke er fornybare. Jeg mener at begge alternativene må kunne best mulig og på en forsvarlig måte. Regjeringen har som en klar målsetting å øke den fornybare energiproduksjonen betydelig i årene som kommer. Heller ikke dette bør det være uenighet om. Vi har og bølger, vi har vannkraftressurser, vi har tilgang på skog, og vi har tidevann. Ja, vi har til og med litt sol av

Også her gjøres det et godt stykke politisk arbeid fra regjeringens side. Jeg tror det er bred enighet om at slike spørsmål er

Når det gjelder Enova, er det utvilsomt riktig å beholde dette redskapet som vårt viktigste verktøy rettet mot energieffektivisering og utprøving av umodne

vindmøller, og det skal reises ytterligere seks møller før prosjektet er fullført. Dette er et prosjekt som er blitt delfinansiert gjennom en statlig støtte på i overkant

men møllene bør plasseres andre plasser i landet. Men jeg tror vi kan slå fast at begrepet «not in my backyard» når det gjelder vindkraft, er en innbilt mediesannhet, og

januar 2012 vil være et svært viktig bidrag til utbygging av mer fornybar energi. Elsertifikat er miljøpolitikk, energipolitikk og

vi behandler i dag, er betydelig bedre enn om avtalen hadde bygd på føringene som lå i Soria Moria I-erklæringen. For

ha rørgater, vi kan ikke bygge ut bølgekraft uten å ha inngrep, og vi kan ikke

i løftene i 2003 hvilke teknologier det skulle gjelde, men det var det heller ikke et behov for. Det var ikke behov for i et prinsipielt løfte om hvordan overgangsordningene skal være, å definere inn teknologiene, fordi løftet

være med i overgangsordningen, men det er de ikke. Det er dermed et løftebrudd. Det er viktig også å ta med seg historikken her. Grunnen til at

på lag med landbruket. Her snakker vi om det som representerer en viktig tilleggsinntekt, inntektskilde for mange gårdbrukere og andre

en rekke grep for å få fram flere småkraftprosjekter. Tidligere var det like strenge krav til en søknad om småkraft som det var til en stor utbygging

at vi skulle få en investeringstørke i en prosess som nettopp hadde skutt fart. Det var et samlet storting som var opptatt av dette, og som derfor la på bordet løfter om at

Stortinget. Det er selvsagt regjeringen glad for, men det er også et viktig signal til alle dem som nå og har gode prosjekt på fornybarområdet. Det er bred politisk enighet om det som skal bli trygge og gode rammer rundt investeringer i fornybar elektrisitetsproduksjon framover. Sånn sett

og bare for å slå fast det: Det er ingen tvil om at Senterpartiet stiller seg bak regjeringens politikk i dette spørsmålet. Vi har fått på plass overgangsordninger som sikrer alle småkraft under 1 MW deltakelse i sertifikatmarkedet fra 2004, og alle er

er i alle fall sånn at uten en effektiv infrastruktur og en tilstrekkelig infrastruktur som er i stand til å transportere energien fra der markedet, til noen som kjøper den, kommer ikke disse energiressursene til å bli utnyttet. Jeg håper derfor at Stortinget på et senere tidspunkt, når vi

så gjelder hvite sertifikat og Enovas rolle, tror jeg det er viktig å slå fast at det er stor enighet om målet. Målet er jo at vi skal ha et effektivt system for energiøkonomisering og så blir det en hensiktsmessighetsvurdering om man bruker støtteordninger eller

et behov for en reell debatt om alternativer i Hardanger. Det betyr ikke at Høyre har vært eller er motstander av nye kraftledninger verken i Hardanger eller på Ørskog–Fardal-strekningen. Men det betyr at vi var kritiske til den prosessen regjeringen førte, til en prosess

regjeringen. Det var vi kritiske til. Vi var kritiske til mangelen på utredninger av alternativ til det luftspenn som var omsøkt. Vi var ikke kritiske til at det skulle

Vi har hele tiden vært opptatt av at dersom vi skal realisere det potensialet for fornybar energi-produksjon som vi har i Norge, er vi nødt til å ha flere linjer på plass. Vi har vært kritiske til at man ennå ikke har kommet lenger med Ørskog–Fardal-linjen enn det man har gjort, selv om vi også har stilt spørsmål ved enkelte deler av begge disse to strekningene, om det kunne vært Så fikk vi endelig de utredningene vi hadde bedt om i lang tid når det gjaldt Hardangerlinjen. Da viste det seg at det alternativet som regjeringen nå har landet på, var det beste, men den prosessen burde ha kommet mye før. Det var vår kritikk. De alternativene burde ha vært belyst på en helt annen måte. Det var vår kritikk. Derfor blir det nærmest uredelig når representanten Sande og representanten Pollestad fremfører den kritikken mot Høyre som de her gjør.

Det har vore visse tilløp her til at nokon seier at dei har tapt i denne saka. Da vil eg seie at dette er ei sak som absolutt heile regjeringa har stått bak.

utsatte vedtaket i fem år, fordi Soria Moria I-erklæringen var så skeiv som den var. Det ansvaret må regjeringen ta. Til slutt: Jeg har ikke behov for å forsvare Høyres nettpolitikk. Men jeg vil presisere

utvinningsgrad for Ekofisk om lag 49 pst. Med denne utbyggingen av Ekofisk sør kommer vi opp i en forventet utvinningsgrad på 52 pst. Dette er en

Men så er det slik at menneskeskapte klimaendringer er et av de største problemene vi står overfor. Da er det viktig å finne tiltak som gjør at vi kan nå

Det er 40 år med oljevirksomhet vi feirer, og det er perspektiver på ytterligere 40 år framover bare på dette feltet. Det er bra. Ekofisk-feltet la grunnlaget for det norske som har blitt fundamentet i inntektssiden for vårt velferdssamfunn. Det har på mange

Apple. Prosjektet som vi nå vedtar, øker utvinningsgraden på Ekofisk med

fordi vi har sterke klynger, bruker kloke hoder og har høy aktivitet, som muliggjør sterk forskning og utvikling av

En viser til skyhøye kostnader. Det tar jeg med meg når en senere også skal diskutere klima med krav om elektrifisering, som representanten Serigstad Valen fra SV la vekt på i

Dette feltet har allerede produsert store verdier for lisensen så vel som for det norske samfunnet, og med den videre utbyggingen av Ekofisk sør og Eldfisk II, som nå behandles, ligger det til rette for ny produksjon i ytterligere 40 år.

Høyre er opptatt av å kunne utnytte det ressurspotensialet som ligger på Vi vet at energibehovet fremover er stort og økende. En viktig forutsetning for å bekjempe fattigdom er å gi større deler av verden tilgang på energi. Norge er en energileverandør, og Høyre ønsker at vi skal videreutvikle denne rollen og ta gevinstene vi får i form av økt verdiskaping, arbeidsplasser og inntekter til

alle planer som allerede foreligger, kan vi regne med å oppnå en utvinningsgrad på rundt

det store potensialet som ligger i å fokusere på økt utvinningsgrad. Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II er nettopp et slikt eksempel på investeringer som fører til økt levetid, og Høyre støtter denne utbyggingen. Disse to prosjektene vil øke utvinningsgraden for olje med 2,5 pst. fra Ekofisk og 6,5 pst. fra en økt utvinning med om lag 470 millioner fat oljeekvivalenter og gir et potensial for drift av begge feltene frem mot 2050. Alle som har prøvd å olje- og gassnæringen er en solnedgangsindustri, bør merke seg at en her legger til rette for 40 års ny produksjon. Det er ikke mange industribedrifter som kan ha Det er viktig at myndighetene tilrettelegger for en økt satsing på prosjekter for økt utvinningsgrad. Regjeringen en tid tilbake og forslo en rekke tiltak for økt ressursutnyttelse i eksisterende felt. Det har gått syv år siden Stortinget sist fikk seg forelagt en petroleumsmelding. Fra Høyres side har vi etterlyst en ny petroleumsmelding fra

og for tiden beregnet til å ha et for høyt kostnadsnivå, er det positivt at rettighetshaverne vil komme med en fornyet vurdering av mulighetene for elektrifisering innen

Den måten Norge valgte å innrette petroleumspolitikken på, har sørget for at veldig store olje- og gassverdier har kommet fellesskapet til gode. Det er ingen selvfølge. For på tross av hva man kanskje skulle tro, er det i et land og nasjonal velstand, gode sosiale ordninger og trygghet. Tvert imot har veldig mange land ikke vært i stand til å omsette til glede for befolkningen, og mange oljenasjoner preges av korrupsjon og store sosiale forskjeller. I mange tilfeller går mesteparten av verdiene ut har det aldri vært i Norge, og det er bl.a. fordi vi har hatt en sterk arbeiderbevegelse og visjonære politikere som så betydningen av tydelig nasjonal kontroll med ressursene. Ekofisk er en veldig viktig del av med ressursene. Ekofisk er en veldig viktig del av dette bildet. Slik ville det ikke ha sett ut om Fremskrittspartiet hadde bestemt. vi i løpet av min levetid er avhengig av å kutte vår globale avhengighet av fossile energikilder, er det viktig å rett i den grad man gjør nye investeringer på norsk sokkel. Så kan gjerne Fremskrittspartiet hevde at SV vil stenge sokkelen over natta, men den diskusjonen jeg at vi er ferdig med. Det er en av grunnene til at vi i hele debatten om å åpne de svært sårbare områdene behovet for at man ikke bør åpne nye felt i de mest sårbare områdene vi har, men tvert imot sørge for å øke utvinningsgraden i eksisterende felt. Og det er jeg veldig glad for at det er enighet Ekofisk har jo lenge vist potensial i å gjøre dette og har allerede overgått den planlagte utvinningsgraden med 35 prosentpoeng. Det er veldig mye, og øker ytterligere med denne behandlingen. Det er også negative sider ved denne utbyggingen – det må jeg være ærlig og si. Petroleumssektoren må stå for betydelige utslippskutt i Norge vi skal ha noen som helst mulighet for å nå målene i klimaforliket. I Klimakur betraktes Sørlige Nordsjø som det beste potensialet for områdeelektrifisering, og det til en pris på

og det er grunn til å understreke at om ikke petroleumssektoren etter hvert tar sin del av ansvaret i klimapolitikken, vil større byrde bli lagt over på vår rene og tror jeg ikke er ønskelig fra noen parter, men det krever etter hvert Derfor er det svært viktig at det er satt av plass til elektrifisering av feltet i denne saken, og det er grunn til å ha store forventninger til de nye vurderingene av elektrifisering som skal legges fram Det er først når Ekofisk elektrifiseres, at vi virkelig kan si at vi hyller Trygve det er først da vi hedrer det å ikke bare velge korteste og billigste vei, men tvert imot å kjempe gjennom nye framskritt som kommer både folk, miljø og drift og ikke minst som også er en viktig side ved debatten om elektrifisering. betydning for velferdsstaten, gir grunn til å minne om hva Norge ville gått glipp av om Fremskrittspartiet hadde styrt oljepolitikken. Det er noe en litt at partiets nåværende talsmann ikke kan gjøre det samme. I den grad CO2-utslippene fra Ekofisk er snille CO2-utslipp, er det vel først og fremst takket være alle andre partier enn Fremskrittspartiet, som jo aldri har vært særlig opptatt av strenge miljøkrav, og i hvert fall ikke

og i dag legger vi til rette for 40 års videre drift. 40 år er lenge. Det er like lenge som denne representanten har levd. Så lenge jeg har levd, har dette landet drevet med olje- og Stortinget godkjenner altså i dag en plan for utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II. Feltene har vært i produksjon og 1979. Prosjektene vi behandler i dag er således en videreutvikling av produserende felt. Disse to prosjektene vil øke utvinningsgraden for olje fra Ekofisk-feltet og

effekt for sysselsetting og verdiskaping. Det vil det med slike store investeringer, og det er bra. Norge er i økonomisk sammenheng et land som flyter over av melk og honning.

ord også skal gjelde her: De første skal bli de siste. Utvinningsgraden fra målt i fat oljeekvivalenter, er gjennom 30 år økt fra 21 til 46 pst. I dag øker vi

fra operatør og myndigheter har bidratt til å øke ressursutnyttelsen. Men det finnes en slange

har vurdert ulike løsninger for kraft fra land til Ekofisk, samt modifikasjon av eksisterende anlegg. Operatøren anslår tiltakskostnadene for kraft fra

Det er da lagt til grunn en delelektrifisering på kun 30 MW. Oljedirektoratet har laget sine egne kostnadsestimater for elektrifisering som er lavere enn det operatøren har lagt til grunn, med en

peker i sin vurdering på at det vil bli økt kraftbehov i området i perioden etter 2016, når nåværende kraftturbiner når sin levetidsbegrensning og også Dette tilsier at vi burde elektrifisert mer i dag heller enn å gjøre det i morgen. Klimakur peker på at Sørlige Nordsjø er det i forhold til elektrifisering, og at elektrifisering må være et at de tiltakene vi må bruke når det har en kostnad på under Jeg frykter at konsekvensene ved ikke å elektrifisere hele Ekofisk-området vil være at vi må ta tøffere tak på andre områder, og det vil bli

Takk, president.

på nye, sårbare områder. Som sagt er Venstre fornøyd med dagens vedtak. Men det er en problemstilling som dessverre ikke er adressert i tilstrekkelig grad i innstillingen, og som Venstre derfor ser seg nødt til å ta opp. ut nesten 2 pst. av de totale klimagassutslippene i Norge alene, og med dette vedtaket forlenges levetiden til nærmere 2050. I uttalt til Aftenposten 10. april 2010, skal Norge kutte sine klimagassutslipp med 80 pst. Venstre mener nok at vi må gå enda lenger enn det, men sannheten er like fullt at dagens vedtak, der vi låser fast helt uforenlig med en bærekraftig klimapolitikk og statsministerens egne målsetninger. Elektrifiserer man ikke dette feltet ved en slik stor ombygging, er jeg ganske overbevist om at det aldri kommer til å bli elektrifisert.

på at man gjør seg blind for de faktiske realitetene som en god klimapolitikk innebærer. Det er synd, for det virker nå helt

produksjonen på Ekofisk-feltet. Da sa han: «Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie.» Jeg tror vi ikke bare skal gi Trygve Bratteli rett i det; det må også i ettertid kunne sies å være et

I dag er den planlagte utvinningsgraden 52 pst. Feltet har vært i drift i 40 år. Det har produsert verdier for ufattelige 1 800 mrd. kr, og i dag skal nye planer og investeringer på

40 år med petroleumsvirksomhet har vist oss at det er mulig å forene olje- og gassproduksjon med miljøhensyn, og disse prosjektene har vært gode miljøløsninger. Kraftbehovet for

nivå på summen av CO2-avgift og kvotepris. Det er imidlertid foreslått som vilkår at det skal gjøres en ny vurdering av kraft fra land i 2012, når kraftbehovet for felt i Ekofisk-området og er mer klarlagt. Det er satt av plass på den nye plattformen på Ekofisk-feltet sånn at den kan ta imot kraft fra land på et

den kraften blir produsert på en fornybar og miljøvennlig måte. I år har vi importert 1 av 7 kilowatt-timer, og hvis resultatet blir at det er kullkraft fra Danmark som skal drive Ekofisk, er det ikke åpenbart at er like stor. Det er viktig å øke utvinningen fra eksisterende felt, og prosjekter som dette er avgjørende for å opprettholde produksjonen og

fra land som skal komme i 2012. Fra Stortingets talerstol i dag og også i innstillingen sies det at den ventes i juni 2012, og at den kan klimameldingen. Men det jeg trenger en avklaring på, er om det er slik at klimameldingen ikke kommer før

Jeg tror det er viktig, også fra denne talerstolen, å få sagt klart og tydelig at vi har vært ambisiøse på det feltet. Gjøa er elektrifisert, Ormen

gjennom de siste 40 årene at vi faktisk er best på dette. Vi gjør det med minst CO2-utslipp per produserte enhet, med færrest utslipp til ytre miljø, og jeg føler meg helt trygg på at det skal vi fortsette med, og presse næringen ytterligere, slik at vi også om 40 år kan se oss tilbake og si akkurat det samme. Statsråden brukte i sitt innlegg en del tid på å

på å fokusere på dette med økt ressursutnyttelse og de mulighetene som foreligger både for teknologiutvikling og for økte inntekter til

sokkel. Jeg vil peke på behov for forskning og utvikling. Jeg vil peke på at vi har en internasjonal konkurransedyktig offshorenæring som leverer både i Norge og internasjonalt. Summen av dette føler jeg

Det er jo sånn i verden at ingen ting er klart før alt er klart, men også jo at petroleumsmeldingen, som tidligere kommunisert, vil bli lagt

for døren som vil bety ytterligere elektrifisering og ytterligere behov for kraft fra land. Hovedvirkemidlene for

Det har også gjort at man har gjennomført veldig mange tiltak i Norge som ikke er gjennomført noe

at det kunne gjøre Norge selvforsynt med olje i 15–20 år. Det var egentlig det som gikk igjen i overskriftene den har nå vist seg at dette feltet har mye mer i seg. Men det har også vist en annen viktig

Det betyr ikke at jeg ønsker å ha flest mulig utenlandske aktører. Jeg mener at de norske miljøene skal være gode, men vi har også godt av at utenlandske selskaper er med og utfordrer oss og deler sin kompetanse

mellom Kvitebjørn og Gullfaks sør, og skal opereres av Statoil. Dette er en viktig utbygging der man i stor grad vil benytte seg av eksisterende infrastruktur i området. Det gjør at i tillegg til produksjonen fra kan man få lønnsomhet i andre mindre funn i området, fordi levetiden for Heimdal-plattformen blir forlenget. Det er bra, for vi er i Nordsjøen nå hvor det er viktig å få realisert mindre funn før den tunge infrastrukturen for Valemon, er en ubemannet plattform som skal styres fra Kvitebjørn. Plattformen vil ha anlegg for delvis prosessering av gassen. Rikgassen kan eksporteres via Heimdal til enten Storbritannia eller

Jeg mener det er verdt å merke seg at en samlet komité forutsetter at dette kommer til å skape aktivitet om lokale ringvirkninger er alltid sentralt når man diskuterer nye utbygginger, og til at man har lyktes med å bygge opp en egen leverandørindustri og involvere lokalt næringsliv. Det har vært et gode både for petroleumsindustrien og for landet at man som hovedregel har klart å ha en god dialog om hvordan man sikrer at verdiskapingen i kjølvannet av en utbygging kommer lokalt næringsliv til gode. påpeker at Valemon ligger utenfor Sogn og Fjordane, som er et fylke som i forhold til de store ressursene som ligger utenfor kysten der, så langt har fått relativt liten uttelling i form av sysselsetting og verdiskaping. Når komiteen mener at det er viktig at drifts- og basemiljøet i Florø videreutvikles, er det et tydelig signal til både Statoil og andre selskaper som opererer i området. Men Valemon kommer til å gi et viktig bidrag til norsk gasseksport. Det kommer til å gi nye kontrakter til leverandørindustrien, ringvirkninger på land og dessuten betydelige økonomiske bidrag til staten Norge – og det er bra.

organisasjoner for å søke å minimalisere denne konflikten i nettopp denne viktige perioden. Det er en viktig signaleffekt i en slik konfliktløsing og bør

jo fylket til senterpartileder Liv Signe Navarsete, som også statsråden må lytte til. Men det forutsetter naturligvis at Og leverandørnettverket som også er omtalt, er et nasjonalt og regionalt viktig nettverk. Men dette er bra. Det bidrar til verdiskaping, og det bidrar også stort til også hvor meningsløst det kan være med en generell elektrifiseringsidé av sokkelen. Kostnaden her er urimelig høy, men heldigvis velger man å ta hensyn til det.
Neste taler er

et godt eksempel på dette, der man skal benytte seg av eksisterende infrastruktur på Kvitebjørn, Huldra og Heimdal. I modne områder er infrastrukturen mange steder godt utbygd. Men siden vi nærmer oss slutten av produksjonen for mange av de største feltene på norsk sokkel, er levetiden til den eksisterende infrastrukturen avgrenset.

egen utbygging av infrastrukturen. På den andre siden gjør ofte utbyggingen av nye, mindre funn at Departementet viser i proposisjonen til at eksport av rikgass fra Valemon via Heimdal vil bidra til forlenget drift av Heimdal, noe som gjør at den totale kapasiteten i gasstransportsystemet kan Det er altså et gjensidig avhengighetsforhold. Forlenget levetid på Heimdal legger til rette for forlenget drift av eksisterende felt samt innfasing av nye felt i området. Uten

I en fase av norsk petroleumshistorie der de største funnene allerede er gjort, og produksjonen fra de store feltene på sokkelen nærmer seg slutten, er det viktig at vi i tillegg til å

drift. Oljedirektoratet har fastslått at fortsatt er 37 pst. av de totale ressursene på sokkelen gjenværende påviste utvinnbare ressurser. En kontinuerlig teknologiutvikling siden de første olje- og gassreservene ble påvist, har gjort at levetiden er blitt betydelig og det er utvunnet betydelig mer olje og gass fra dagens felt i drift enn opprinnelig antatt. En fortsatt teknologiutvikling samt høye olje- og gasspriser er en forutsetning for at både En rekke av de store feltene nærmer seg nedstengning. Tiltak for økt utvinning haster derfor. Alternativt risikerer vi at store verdier blir liggende igjen i bakken. Derfor er utbygging av mindre felt som Valemon viktig, og jeg er glad for at Stortinget i dag vedtar plan for utbygging og drift av

av aktiviteten på norsk sokkel som liten. Men det er jo en ganske betydelig utbygging og representerer også potensielt forlengelse av levetiden til

med unntak av forsvarsdebatter, er det små og mellomstore utbygginger. Vi støtter denne utbyggingen fordi den kan bidra til bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel, og den foregår i et modent område. Derfor har jeg bare et par korte Vi har i komiteen merket oss at utbyggingen gir en økning i utslipp på i underkant av 100 000 tonn CO2 årlig potensielt. Det høres kanskje ikke så mye ut med tanke på at vi ofte snakker om

må dekkes inn et annet sted. Det tar jeg som en selvfølge. Det ligger til grunn. Jeg vil her bare understreke SVs støtte til sektorvise klimamål, som jeg var inne på også i forrige sak. Det andre er at det sak. Det andre er at det framgår at utbyggingen vil kunne føre til konflikt med andre næringer, nærmere bestemt fisk. Én ting er trålernæringen, men vi må også være sikre på at dette ikke rammer fiske etter sild og makrell, som det også framgår i framlegget. Jeg mener det er verdt å nevne dette spesifikt. Til slutt: Jeg slutter meg til saksordførerens innlegg,

Det å aktivt bruke basane langsmed kysten gir òg nærleik til felta, noko som er viktig for helse, miljø og sikkerheit. Eit eksempel er transport av personell.

kunnskapsoppbyggingen som har funnet sted innenfor den norske petroleumsnæringen. Jeg er opptatt av å legge til rette for at det også skal kunne fortsette inn i framtiden. Valemon er et

en ny innretning egnet for utvikling av Prosjektet bidrar også til forlenget levetid for Heimdal-plattformen. Rundt Heimdal finner vi en rekke funn og prospekter som det ikke foreligger planer for å bygge ut. Utbyggingen av Valemon kan føre til at

den totale produksjonen og aktivitetsnivået på norsk sokkel. Utbyggingen har allerede gitt kontrakter til Grenland Group og Aibel, selvfølgelig under forutsetning av at planen blir godkjent.

og bedring i levestandard, befolkningsøkning og økt urbanisering gir økt energibruk. Verden trenger ikke bare mer energi, men

energiforsyningen vil i mange land gi store klimagassreduksjoner. Økende behov for mer og renere energi, for og gass og vektlegging av energisikkerhet betyr at utsiktene for Norges olje- og gasseksport er gode. Norge har alltid vært en stabil og forutsigbar leverandør av olje og Det er et konkurransefortrinn for Norge som energileverandør. Det skal vi ivareta, også for framtiden. EU-landenes egenproduksjon av gass går ned. De vil derfor ha behov for å øke sin Norsk gass vil være med på å dekke den europeiske gassetterspørselen og vil være en attraktiv og verdsatt energikilde i mange tiår framover. Det er den rollen gassen fra Valemon vil være med og

Så vil jeg også få sagt at olje- og gassvirksomhet representerer en betydelig sysselsetting og

en fantastisk suksesshistorie, også når det gjelder det som handler om regionale, lokale ringvirkninger. Man kan, spesielt på Vestlandet, kjøre gjennom lokalsamfunn etter og styrke, mye grunnet den aktiviteten som vi ser utenfor kysten. Det kommer denne regjeringen til å fortsette å legge til rette for og ha sterke ambisjoner om. Så er det sånn at det aldri har vært norsk petroleumspolitikk – og jeg har heller ikke opplevd at Fremskrittspartiet har tatt til orde for en sånn politikk – at man skulle ha hatt en

Hvis det er sånn at Fremskrittspartiet er misfornøyd med de regionale virkningene knyttet til dette prosjektet, er det jo spesielt at det i så fall ikke er divergerende forslag i

og komiteen har i innstillinga peika på at det er viktig at operatøren samarbeider aktivt med næringsorganisasjonane i regionen, slik at det lokale og regionale næringslivet

har utvikla seg til å bli eit oljemiljø også i nasjonalt perspektiv. Det har vore

fra en nordisk betegnelse på en båttype som ble brukt i vikingtiden. Knarren var,

bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser. Jeg er opptatt av at selskaper gjennom sin petroleumsaktivitet bidrar til lokale Det er bl.a. viktig at det legges til rette for kvalifisering av relevante lokale eller regionale leverandører, og at det legges til rette for at bedriftene fra landsdelen kan få delta i

Det er gjennomført en konsekvensutredning av Knarr. Konsekvensutredningen har ikke avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke bør gjennomføres, eller at det bør iverksettes avbøtende tiltak utover det som ligger til

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det

Det er viktig for oss å forebygge, slik at individ og samfunn ikke rammes av ulykker, kriser eller katastrofer. Samtidig må uønskede og alvorlige hendelser, når de hender,

og politiet må ha et felles radiosamband som tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige av gammelt utstyr er nødvendig for å styrke samfunnets evne til å møte større ulykker, organisert kriminalitet og terrortrusler. Utbyggingen av første fase har vært en utfordrende prosess. Et komplekst teknologiprosjekt som krever samhandling mellom en rekke aktører, brukergrupper og leverandører, har ført til at første del av prosjektet har tatt mye lengre tid enn jeg er glad for å kunne legge fram en enstemmig tilråding fra komiteen, slik at vi nå kan sette i gang med å implementere nettet i hele landet. Prosjektet er forsinket med ca. tre år. Det skyldes i hovedsak at leverandøren har brukt lengre tid på å bygge og det har vært utfordringer knyttet til leveransen ved brannvesenets og helsetjenestens kommunikasjonssentraler. Jeg understreker at dette ikke skyldes teknologivalg. Jeg vil også påpeke at konkurransen om å levere Nødnett var teknologinøytralt. er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa og i våre naboland. Analyselskapet Gartner har kartlagt bruk av TETRA og andre teknologier og standarder i nød- og beredskapssamband, og de konkluderer med at det ikke finnes reelle alternativer til TETRA i dag for utbyggingen av nettet. Når det gjelder bekymringen for stråling, har komiteen merket seg at utstyr for Nødnett skal installeres i henhold til retningslinjer fra Statens stort sett positive. Politiet og flere brannvesen melder bl.a. at kommunikasjon med de andre nødetatene på et tidspunkt har medført at de har kunnet yte bedre service til publikum, og de har vært bedre forberedt ved ankomst til ulykkesstedet. Tilbakemeldingene fra brannvesenet er gode, noe som kom fram etter håndteringen av i en trailer i Oslofjordtunnelen i mars i år. Når komiteen har arbeidet med denne saken, har det kommet fram noen kritiske innspill fra røykdykkere i Asker og Bærum

er positive. I trinn 2 er hensikten at brukerne skal kunne velge terminaler fra mer enn én leverandør. Ellers viser jeg til at brannsjefen i Asker og Bærum sier at de er veldig godt fornøyd med hvordan sambandet fungerer så langt. Når det gjelder brannvesenet i Oslo, vet vi at de

ved større aksjoner. Det har vært noe fokus på brukernes kostnader til drift, og Til det er å si at det er ventet at det innbyrdes kostnadsbildet mellom de forskjellige etatene vil endre seg. Dette skal evalueres, og man skal se på hvilke positive muligheter Nødnett vil gi for å oppnå mer effektiv bruk av ressursene i de tre etatene. Det er derfor for tidlig å si noe eksakt om kostnadsbildet for hver etat nå, særlig for de kommunale brannvesen. I prosessen hvor man ser på kommunenes kostnader, skal Kommunal- og regionaldepartementet og KS Komiteen er opptatt av at andre brukere med nød- og beredskapsansvar og de frivillige organisasjonene skal kunne bli brukere på et senere tidspunkt. Vi er klar over at bl.a. Norsk Folkehjelp og Røde Kors er svært opptatt av dette, og det er viktig at de kan komme med så snart som mulig. Nytt nødnett gir mange fordeler. Det er avlyttingssikkert, det styrker personvernet, og det gir bedre operative og sikkerhetsmessige arbeidsforhold for nødetatene i Jeg legger med dette fram komiteens enstemmige tilråding i denne saken. Fremskrittspartiet har i tillegg et forslag som jeg regner med at de selv vil redegjøre for.

president. Det er

som klart og tydelig sår litt tvil om proposisjonens hylling, og om at alle etatene er så fornøyd med det nye nødnettet. Det er egentlig litt beklagelig, når Fremskrittspartiet i transportkomiteen ba om å få litt tid til faktisk å gå igjennom og få vite litt mer om de innsigelsene som har kommet, spesielt fra Brann- og redningsetaten, men også fra en del andre organisasjoner, f.eks. KS – som

Jeg registrerer at det er mange som i merknadsform skriver at de er bekymret for dette og ønsker å se på det. Men Fremskrittspartiet blir stående alene om å si at merutgiftene skal

Dette betyr at det kan gå ut over den generelle beredskapen, fordi man må ta penger fra operativ tjeneste og flytte over for å betale for et sambandsnett. Jeg stiller spørsmålet: Hvorfor skal man fra en offentlig forvaltning til en annen offentlig forvaltning? Kanskje man egentlig burde sagt at dette handler om å redde liv, og det handler om å Dette gjelder mennesker som er der både for å redde menneskeliv og for å redde store verdier i samfunnet. for å bruke mye ressurser på å drive fakturering og administrering, burde man kanskje sagt at det er en statlig oppgave å sikre at man har et skikkelig nødnett på plass.

Også da var Fremskrittspartiet kritisk til måten man behandlet saken på. Men vi registrerer at her handler det bare om én ting, og det er å kjøre saken raskest mulig gjennom Stortinget, og så får man håpe at resultatet blir til beste for dem som og faktisk skal gjøre en innsats for samfunnet og redde menneskeliv og verdier. Da synes jeg det er beklagelig at Oslos brann- og redningsetat klart og tydelig sier at de ikke vil menn som er røykdykkere, og andre skal bruke dette utstyret, fordi systemet er for dårlig til å bruke innendørs. Det er i hvert fall noe man virkelig burde tatt på alvor i denne Jeg synes også det er trist at man ikke får tid til å se på både Sivilforsvarets og Røde Kors' innspill, og innspill fra andre som er opptatt at vi må sikre dem retten til å få lov til å bruke nettet. Det står i merknaden at man skal se på det og åpner for muligheten for det. Men da burde det vel ikke vært noe

samfunnet. Nødetatene møter, som vi vet, stadig strengere krav til og sikkerhet, og et nytt nødnett er helt nødvendig. Det er vi enige om, også representanten Hoksrud er enig i det, så vidt jeg skjønner. Det nye nødnettet vil trygghet for brukerne, og det vil styrke personvernet. I det hele er dette egentlig en storsatsing på samfunnskritisk infrastruktur. I dag finnes det sambandsløsninger som er gamle, og som i liten grad

bli bedre, og vi får på plass et avlyttingssikkert samband som styrker personvernet i tråd med det som er Datatilsynets har tatt lang tid, og det har blitt dyrere enn forutsatt. Det er grunn til å minne om at beregnet kostnadsramme for landsdekkende utbygging av Nødnett i to trinn opprinnelig var totalt

For mange større kommuner vil innføring av det nye nødnettet medføre en mangedobling av utgiftene. Fra vår side mener vi derfor at kommunenes reelle kostnader i forbindelse med driften av det nye nødnettet må registreres og

mai tok Redningsselskapet i bruk et nytt nødnett i Oslofjordområdet. Ifølge Redningsselskapet har de fått et bedre internt samband i nødssituasjoner, men også et bedre samband med de andre Til nå har hver enkelt nødetat hatt hvert sitt samband. Nå kan tidskritisk informasjon utveksles mer effektivt. Talekvaliteten er bedre, og samtalene kan ikke

Det brukes nå av ca. 7 000 brukere, og det gjennomføres nærmere 350 000 samtaler i måneden. Brukerne er – og det er viktig å understreke – i all hovedsak fornøyd. Politiet har brukt nettet i hele

vi er oppatt av god fremdrift i saken, og at vi får på plass et nytt nødnett som er teknologisk oppdatert, og som kan møte nye behov. Det er

vi alle i denne sal er enige om at det er behov for et nytt nødnett.

er en klar framgang for dem. Men det er helt riktig, som det er blitt påpekt både av saksordføreren og av Hoksrud, at noen etater, noen brannvesen, har sagt at de ser for seg noen problemer i dag.

absolutt bare negative oppslag. Det var en del som var misfornøyd, men det var også faktisk ganske mange

Neste taler er

og med en god dialog departementet og komiteen imellom, føler jeg at vi gjør dette på en kvalitativ god måte som ivaretar de hensynene som Stortinget selvsagt må passe på.

den fantastiske investeringen som vi nå som felleskap tar oss råd til. Vi kommer nå på høyde med andre land – kanskje til og med litt foran – på å få et moderne Vi gir de som hver eneste dag står ute i krevende og vanskelige situasjoner, et godt arbeidsverktøy. Det gjør at befolkningen i Norge kan føle seg tryggere, men det gjør også at de menneskene som jobber i som jobber i disse etatene, gis bedre mulighet til faktisk å gjøre jobben sin på en god måte, og ikke minst ivareta sin egen trygghet i krevende gamle og lite tilfredsstillende. Det er ingen tvil om at en slik oppgradering Vi er glad for at erfaringene fra første byggetrinn forteller oss at dette er en løsning som fungerer, og som vi kan gå videre med, slik at hele landet nå får nyte godt av det østlandsområdet allerede har fått på plass. Vi bygger et nødnett for tre nødetater samtidig. Det er Det er krevende, men det gir også en fantastisk mulighet til at disse nødetatene kan kommunisere på en optimal måte og bruke ressursene i sammenheng, slik at de også ute i felten er godt Vi er altså det siste landet i Vest-Europa som anskaffer oss et landsdekkende nødnett. Vi er et land med en geografi som gjør at slike utbygginger er mer kostnadskrevende og mer i flate, kontinentale land, men desto mindre viktig er det ikke at vi har en slik teknologi som andre land har valgt. Det at vi også har TETRA-teknologien, har vært en diskusjon. Det gjør også at vi har en felles plattform med veldig mange andre land, når oppgraderingen kommer, og når systemet skal videreutvikles. Det tror jeg også har en positiv kostnadsside på sikt. Så på å ramse opp alle fordelene et nytt nødnett gir, men jeg registrerer jo at komiteen egentlig er ganske enstemmig om at dette er et nødvendig prosjekt. Når det er litt uenighet i komiteen, dreier det seg kanskje mer om kostnadsfordeling og hvordan dette skal driftes, og hvordan ikke minst kommunene skal

kommunene, gjelder kvalitetshevinger. Det er jo et forbedret produkt man får. Man får jo ikke det gamle produktet til ny pris, for å si det sånn. Dette skyldes at man nå

noen av driftssidene faktisk koster mer, rett og slett fordi man får mer – man betaler rett og slett for en bedre tjeneste. Samtidig er det vel ingen regjering noen sinne som har økt kommunerammene så kraftig som det den rød-grønne regjeringen har gjort siden vi

Det det handler om, er jo at det ikke bare er brannetatene som er bekymret for det som skjer.

nå man begynner å se resultatet av kostnadene. Og spørsmålet mitt til statstråden er: Vil statsråden sørge for at kommunene ikke får en merkostnad, eller synes regjeringen det er greit at både kommuner, politietat og Og hvordan har han eventuelt tenkt å dekke det inn? Mener han det er greit at de får de økte

annen nytte. Dette har skjedd i full forståelse med brukerne, så det tror jeg egentlig ikke det er noen uenighet om. Det som kanskje er en mer relevant diskusjon, er hvordan denne økte kvaliteten skal

Nå er det nok mange Boble-entusiaster som vil betakke seg for å få Poenget her er vel at dette er utgifter som kommunene får presentert uten for så vidt å ha noen innflytelse på hva sluttsummen til syvende og sist blir for det prosjektet som staten har initiert. Mitt spørsmål er – bare for å få det helt klart: Er det fra denne regjeringens side ikke på tale å se på

var de som kontinuerlig beskrev et nødnett som var utdatert, et nett som ikke ivaretok grunnleggende personverninteresser, som ikke var som ikke inneholdt lokaliseringstjenester etc., og som ikke åpnet for dataoverføring og mange andre tjenester som et digitalt

har foreslått i denne sal i ulike sammenhenger, prinsipielt eller konkret, og vi kommer til å følge det opp i økningene i politibudsjettet og i andre budsjetter som stadig har økt også nesten rekordmessig, tror jeg, under vår regjering. Det er svaret: Pengene må brukes på fellesskap i stedet for på andre ting. Jeg

Jeg følte vi hadde en rimelig god og saklig debatt når det gjaldt denne saken, som jeg synes er viktig, men jeg synes det er ganske uviktig å bringe dette inn nå. Så spørsmålet til statsråden er: Synes statsråden det er viktig å bringe valgkampen
at Høyre også syntes det var strålende hver gang man fikk lov til å snakke om skattekutt og reduksjon av statens inntekter til fordel for lettelser i

vi øremerker et tilskudd til Nødnett til kommunene hvis vi tar like mye med den andre hånden eller mer. Det er jo et totalregnskap som må gå opp, som bestemmer om kommunene kan ta dette løftet med kvalitetsheving, med mer trygghet – om helsevesenet, politiet og brannvesenet kan gjøre dette på den måten – uten

Neste taler er

informasjon, vil jeg gjerne kommentere. For det første er jeg enig med representanten Myraune. Jeg synes han hadde et ganske godt Men la meg presisere: Denne saken har vært kjent lenge. Da komiteen fikk saken til behandling, var det i utgangspunktet lagt opp til en enda strammere tidsplan. Det var et ønske om å få noe mer tid, og det ble Det var først da vi hadde det siste møtet i saken at Fremskrittspartiet foreslo å utsette den. Den har vært mottatt mange innspill, uttalelser og synspunkter som har blitt vurdert, noe som også går fram av mener at saken har hatt en forsvarlig og grundig behandling, og at vi har den informasjon som er nødvendig for å kunne behandle og fatte vedtak i Når det gjelder oppslaget i Aftenposten i dag, kan ikke jeg se at det kommer fram noe nytt som vi ikke visste fra før. Vi var godt kjent med hva

og for å si det på den måten: Det er mildt sagt utfordrende hvis vi skulle gjort

har sendt brev til komiteen, som er datert 30. mai i år, der de igjen peker på de økonomiske konsekvensene for kommunene med nytt nødnett, og

som også gir litt grunn til uro: Første trinnet økte fra

men det ligger en usikkerhetsramme på nesten 20 pst. her. Det er betydelig, og det viser at det er stor usikkerhet fortsatt. Derfor vil vi fra behovet for profesjonell styring av prosjektet, slik at vi unngår et nytt

jeg ser definitivt logikken i argumentasjonen, at man faktisk får noe bedre, og det er alle veldig glad for.

bare noen få dager før komiteen avgir innstillingen – får man brev fra Sivilforsvaret. I tillegg har Presseforbundet sendt et brev til komiteen, som også kom kort tid

bruk. Ikke minst vet vi også at det er mye bekymring blant helsepersonell for at man ikke vil klare å bruke legehelikopter osv. på en god måte. Det er mange spørsmål. Jeg skulle ønske at jeg kunne være enig med at det er en fantastisk investering. Men jeg håper vi ikke ender opp med at det blir som et at overskridelsene vil være enorme fordi det viser seg at dette systemet ikke fungerer som det skal – spesielt når det skal rulles ut i hele landet. Det er og deler av resten av landet, og det er en del av bekymringen som Fremskrittspartiet har. Jeg håper jeg tar feil, og at jeg om tre–fire–fem år ikke må stå på denne talerstolen og si: Hva var det vi sa?

de kommunale økonomier og de kommunale prioriteringer i Norge at verden fort kan bli slik i fremtiden at vi

man får så klare tilbakemeldinger fra både Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat om at røykdykkere nekter å bruke

saksbehandlingen i Stortinget vært rimelig useriøs. Er det slik at det vi vedtar i dag, vil være med på å sette livet til mennesker i Vi har ikke fått svar på det – vi er å ta i bruk det nye nødnettet på grunn av for dårlig kommunikasjon, er det ikke da slik at vi som landets nasjonalforsamling faktisk

til Sortevik, som vel gir meg mer eller mindre kritikk fordi jeg ikke nevner brevet fra Folkets Strålevern. Innstillingen ble avgitt

i komiteen. Det er helt forsvarlig at vi fatter vedtak i denne store og viktige saken i dag. Til slutt: Etter å ha hørt debatten og innspillene fra tror jeg at jeg velger å si det på denne måten: Jeg er veldig glad for at det foreligger en enstemmig innstilling i saken. La meg i overgangen fra sykkel til bil understreke at det er

så jeg tror statsråd Solheim synes det er helt greit at vi får et effektivt nødnett som Men for å være alvorlig: Det er klart at når 7 000 brukere nå i første trinn – 40 000 brukere i

Det vil være snakk om dekningsgrad. Vi gjør mange tester på det, men vi kommer til å måtte fortsette med det etter hvert som systemet settes i bruk. Det kommer til å være tilpasning til den enkelte å være tilpasning til samarbeidet mellom etatene. Det kommer til å være enkelte tjenester som bare noen har bruk for, men kanskje ikke andre, slik det er når et svært teknologiløft gjøres. Så her må vi bare jobbe mens vi bygger ut. Vi vet at vi har hatt problemer underveis. Noen av de problemene skyldes vel kanskje også at leverandøren ga oss en utrolig gunstig pris. Det burde opposisjonen skryte av klart å få i havn. Det er jo ikke dårlig å bruke skattebetalernes penger på en best mulig måte. Men det har også gitt oss noen utfordringer, både på framdrift og på det
Men for kraftverk som er
egentlig den dialogen jeg har hatt med opposisjonen – og særlig Fremskrittspartiet og representanten Hoksrud, som har et annet ståsted på noen punkter – har vært helt grei. Det er spørsmål som stilles, som jeg prøver å sier at dette prosjektet nærmest vil sette liv i fare, mener jeg at vi må ta av silkehanskene og spørre: Er Fremskrittspartiet for at nødetatene skal få et nytt nødnett? Skal vi gå videre med trinn 2? Hvis man virkelig mener at dette setter liv bør man stemme imot. Da får man fortelle politiet, brannvesenet, helsevesenet, alle dem som står ute i felten, og som nå venter på at vi skal gjøre en milliardinvestering for at de skal gjøre jobben for folk trygghet og ikke minst for sin egen trygghet, at dette går Fremskrittspartiet imot. Det er helt greit, det er fair, det er politikk. Men man kan ikke både være for og imot. Vil sette liv i fare, sier representanten Fredriksen, vel, da får vi konstatere at dette er et prosjekt prosjekt som alle vi andre går videre med, som vi sørger for, som

utfordringer før dette nødsambandet er godt gjennomført. Og skulle det være slik at det ikke er politisk korrekt å komme med denne type

Eg kom litt seint inn i debatten. Kristeleg Folkeparti måtte få til ei naudløysing for å delta i den ordinære debatten. Og på same måten som det blei ei god løysing for Kristeleg Folkeparti, er eg sikker på at naudnettet blir ei veldig god løysing for vårt samfunn som heilskap. Det er

Eg er heilt sikker på at dette nettet blir bra, og erfaringane så langt har vore veldig positive. Så er

Det opplever eg òg at regjeringa gir tydelege signal om. Det eg opplever frå Framstegspartiet si side, er at dei har ei føre-var-haldning. Det trur eg er klokt i ein del spørsmål, men eg trur ikkje det er klokt i nettopp dette

sjølv om dei har eit sterkt ønske om å bidra med ein tydeleg dobbeltkommunikasjon i saka. Det som er viktig for Kristeleg Folkeparti, er at me får på plass eit godt naudnett. Det er den beste løysinga som me ser me kan

har vore veldig bra, og eg vil avslutte mitt innlegg med å gi honnør til saksordføraren. Bård Hoksrud har
regjeringa har stått bak. Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad,

det dette handler om, og de brevene som kom rett før avgivelse. Statsråden mener at KS er en liten

er greit! Vi er bekymret. Vi håper at det blir bra, men vi er trygge på at vi kommer tilbake til denne saken. Det er få ganger jeg har

være med på ferden og protestere for all verden. Man må på en måte bestemme seg for hvilken fot man skal stå på. Det kan ikke være slik at man mener dette prosjektet er en trussel mot liv og helse, samtidig som man stolt står og sier at dette er Fremskrittspartiet med på, og at dette er et løft vi gjør sammen. Når det gjelder brukermedvirkning, når det gjelder tryggheten, og når det gjelder tilpasningen, står dette ganske godt beskrevet i proposisjonen. Det står bl.a. ordrett i er risikofaktorer knyttet til innføringsprosjektenes evne til å ta imot brukerutstyr og eventuelle endringsønsker fra brukerne.» Det er mange tilpasninger som må gjøres. Vi må finne ut at det fungerer i alle risikofylte situasjoner. Vi må vite at dekningsgraden er god nok, og vi må ta den teknologisk system. Men det står beskrevet her. Det er komiteen enig om. Det vi behandler i dag, er spørsmålet om vi skal gå videre med et trinn

dette. Det er jeg glad for, for det gir tyngde til prosjektet. Dette tar tid. Det har vært flere regjeringer som har behandlet det, så det har gått gjennom ulike politiske flertall. Det blir forhåpentligvis denne regjeringen som vil gjennomføre det, selv om det går langt inn i neste stortingsperiode. Men det er bra at det er et

Det er helt riktig, som flere har sagt her: En argumenterer imot, men stemmer for, for å gi inntrykk av at en egentlig er imot. Det er en dobbeltkommunikasjon, og det er en

når en ser på dimensjonen over kritikken. Én ting er å være

Eg er ein enkel mann frå landet, og det å forstå at Framstegspartiet argumenterte for den innstillinga som ligg til grunn i denne saka, var ikkje lett ut frå dei innlegga som eg har høyrt. Så beklagar eg at eg ikkje har fått med meg heile debatten, men når ein bruker uttrykk som at dette nettet vil vere ein

så måte kan vere at eg ikkje er einig med statsråden i at det er denne regjeringa som vil innføre dette

slik at proposisjonen ikke peker på de utfordringene som ligger i å implementere dette og rulle det ut i hele landet. Det er ganske tydelig beskrevet, og det er også beskrevet at man må

innspill. Så er det jo slik at i et fem minutters saksordførerinnlegg mener i hvert fall undertegnede at man må prøve å gi et helhetlig perspektiv og et helhetlig bilde av saken, ikke bare stå og ramse opp alle brev har kommet. De er omtalt i mitt innlegg. med i den videre prosessen, og det har jeg også understreket flere ganger. Greit med kritikk, men da bør den være på

en del av vår bekymring, noe vi har forsøkt å gi uttrykk for. Det er altså kvalitetssikret, men det er en usikkerhet knyttet til de økonomiske forhold på Vi har forsøkt å gi uttrykk for at vi deler bekymring som er

en kommunesektor hvor mange kommuner fortsatt sliter med vanskelig og stram økonomi. Det er det grunn til å ta på alvor, og det har vi forsøkt å peke på.

men det er betydelige utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen, og de utfordringene håper vi at regjeringen tar på alvor, at ansvarlig statsråd tar på alvor, og at

Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen

i tillegg til den aller viktigste oppgaven som staten har i næringspolitikken, nemlig det å sørge for

som indirekte eller direkte eier i et selskap som er i konkurranse med andre privateide bedrifter i

i et oppdrettsselskap, som i tillegg er fiskefôrprodusent. Dette selskapet konkurrerer med andre selskaper i samme bransje både i Norge og Andre eksempler er den delen av Postens virksomhet som ikke er monopolistisk, dvs. annen virksomhet enn brev under

Alle partiene viser gjennom innstillingen at det er viktig at det statlige eierskapet en forvalter, gjøres på en god og profesjonell måte. Det er også en

praksis, og i hvilket omfang, er det imidlertid ikke like stor klarhet i. Det er videre også svært positivt at en har valgt å videreføre det prinsipp som ble lagt til grunn i

president. Det er

fordelt på 11 departementer hvis man også tar med Finansdepartementet, som har et betydelig ansvar. Det er ikke mulig at man på en skikkelig og god måte vil kunne klare å ivareta alle disse selskapenes interesse, og ikke minst statens og skattebetalernes interesse, og ikke minst statens og skattebetalernes interesse, dersom man har den fragmenterte eierskapsforvaltningen som er i dag i departementet. Det er viktig at man tar inn over seg at man møter en stadig tøffere konkurranse og betydelig større utfordringer. Det er mye mer internasjonal konkurranse også innenfor disse områdene der staten har sitt engasjement. Det er derfor viktig at man klarer å rekruttere de gode folkene for å kunne gjøre dette på en skikkelig måte. For når man krav man skal stille til selskapene, styremedlemmene, generalforsamlingen etc., er det viktig at man har god kompetanse og er det helt åpenbart for Fremskrittspartiet at vi trenger å få til en samling av disse selskapene inn mot forslag, som er tatt inn i innstillingen, om at særlig for kategori 1–3-selskapene må det igangsettes arbeid for å overføre eierskapet der og sørge for at det samles i må man sørge for å legge inn der. Det er ikke noe problem at

Dette er det viktig å få til, for det er ikke nok selv om statsråden gjennom meldingen tilkjennegir at han ønsker å bygge opp

viser man til at man kan gå inn og ut av forskjellige typer selskap, slik at det ikke nødvendigvis er den eiersitsen vi har i dag, som kommer til å være i

En del av oss mener at nivået kan ligge betydelig under, mens det også kan være en situasjon i framtiden, knyttet til framtidig finanskrise eller andre utfordringer, der det kanskje kunne være betimelig å stille spørsmål ved om det faktisk burde vært

For man legger veldig mange føringer inn i forskjellige områder for hva man stiller som forventninger på disse feltene. Her kommer man inn på en grunn til å stille spørsmål om hvorvidt man har tatt den helhetlige vurderingen i denne saken. Hvorfor skal staten eie, og hva er

Det er ikke det som er hensikten med dette, men det er nettopp for å se på hvorvidt man kan få andre inn på eiersiden, hvorvidt det er ting som staten driver med i dag, som staten ikke har behov for å drive med, ikke har behov for å drive med, og hvordan vi kan få økt kompetansen ved å ta andre eiere inn. Det kan ikke være et at det skal være staten som eier. Det må være å sikre drift, sikre tjenester til befolkningen og sikre arbeidsplasser som er at det er viktig at Norge ikke bare blir et filialland. Det er derfor viktig at man er inne på eiersiden i en del strategiske selskaper. Men det

Man skal drive det i de tilfellene der andre ikke er interessert eller ønsker å være Når det gjelder såkornfondsituasjonen i Norge, er såkornfondene i ferd med å gå tomme for Det er viktig at man bruker en del av den kapitalen som man kan frigjøre gjennom salg eller på andre måter, til å bygge opp igjen disse såkornfondene og det er jo nettopp gjennom det å kunne bruke penger på den måten at man skaper ny vekst, Det er det svært viktig å ha på plass. Jeg ser at tiden som vanlig går fra en når en er engasjert i en sak, og jeg kommer helt sikkert til å komme tilbake også i debatten. Men det må ikke bli slik at denne debatten nå går på kroner og øre når det gjelder hvor mye man skal selge ned eller ikke. Nå er det viktig at vi legger prinsippene for hvordan vi vil håndtere dette. Og: Ja, Fremskrittspartiet vil selge seg ut betydelig mer enn det regjeringen legger opp til i denne

gjennom eierskapet kan se for seg muligheter til å skape verdier i framtiden, hvordan en kan videreutvikle arbeidsplasser, videreutvikle produksjonsmetoder og styrke bedrifter. Det handler om muligheter for å bringe ny kunnskap inn, og ikke minst handler det om å legge til rette for forskning og å utvikle mulighetene for framtidens verdiskaping. Alt dette er jo innunder rammene for det statlige eierskapet. Men det handler også om, mange sammenhenger, hvordan vi vil løse og videreutvikle virksomheter og selskaper som er viktige verktøy i vår samfunnsmodell og i vår

det også i dag, og sånn bør det være i framtiden. Meld. St. 13 om et aktivt statlig eierskap er en videreutvikling av hvordan staten skal utøve sin eierrolle om forventninger og krav til de selskapene staten eier enten helt eller delvis. Det er den modellen som er valgt for å kommunisere hva Stortinget legger vekt på overfor regjeringen, som er den som reelt sett utøver eierskapet. Vi legger nå viktige føringer for hvordan eierrollen skal utøves for å nå de mål som blir satt for de ulike selskapene. Og det er skillelinjer i innstillingen – det er betydelige skillelinjer i innstillingen – det er

ønsker at staten skal gå i retning av å være en finansiell eier, hvor meningene om selskapene er mer diffuse, og hvor hovedmålet er Det er store verdier som Høyre og Fremskrittspartiet vil selge – verdier som i dag gir god avkastning til samfunnet, avkastning som brukes til skoler, eldreomsorg og helse. Ja, vi trenger avkastningen fra selskapene. Fra 2005 og fram til 2011 har staten mottatt utbytte på fra selskapene. Fra 2005 og fram til 2011 har staten mottatt utbytte på 151 mrd. kr. Det er mye skole, det er mye eldreomsorg, og det er mye helse. Det er både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å privatisere. De ønsker å fjerne de inntektsmulighetene for staten gjennom å være så tydelige på

offentlige eierskapet blitt redusert i perioden fra 2003 til 2010, og det er den utenlandske kapitalen som har styrket seg på Oslo Børs i samme periode. Det er også det utviklingen viser. ble solgt til England, og nå Orklas salg av Elkem til Kina. Det er mye som tyder på at det også vil fortsette i

og det er ingen ting som tyder på at det er privat norsk kapital som vil gå inn og kjøpe de store verdiene som en eventuelt ønsker å omsette. Så her er det en tydelig forskjell i eierskapspolitikken. Men så er jeg at de som ivrer mest for å selge, faktisk er mest restriktive når regjeringen kommer til Stortinget og ber om fullmakten til å endre eierskap i noen jeg er noe rart. At de ikke vil være med på emisjonsfullmakter, er helt naturlig, for de ønsker ikke å utvikle selskapene, de ønsker kun å begrense

også gi en honnør til statsråden for en melding hvor det er mye bra når det gjelder hvordan vi skal styre det statlige eierskapet. Jeg tror også det eierskapet. Jeg tror også det kommer til å være ganske mye igjen av det også om man hadde fulgt Høyres forslag saken, og jeg tror ikke alt ville havne i Kina. Det viktige er hvordan vi håndterer har jeg lyst til å understreke regjeringens budskap her om at staten, på samme måte som private eiere, må ha en mer dynamisk tilnærming til

noe uenig i konklusjonen. Jeg kan ikke se at det følger av et slikt resonnement at statens eierskap, holdes på et fast nivå uten at man har sagt noe om hvilke tiltak og hvilke selskaper man skal gå inn i. Da får det ikke så mye preg av dynamikk, men mer preg av statisk dogmatikk.

flere steder, at prinsippene for eierstyring og godt eierskap fortsatt skal legges til grunn – det er jeg svært glad

også vil få se det i praksis, og at det blir et godt instrument og verktøy for statsråden og eierdepartementet. Høyre mener at

Det er viktig for Norge som industrinasjon, og det har betydelige spin-off-effekter for annet næringsliv og fremveksten av annen industri. Derfor støtter vi selvsagt de forslagene som kommer i proposisjonen om det regjeringen nå ønsker å selge. I tillegg

konkurranse, eller et selskap som legger asfalt, vedlikeholder og bygger veier i konkurranse med mange andre. Utover det ønsker vi på sikt å redusere statens eierskap i Statoil fra 67 pst. til 51 pst. Det vil heller Men det vil styrke selskapets integritet og konkurransekraft ytterligere, både hjemme og internasjonalt. Erfaringene har vist at delprivatisering har vært gunstig for

kan skilles fra de norske vannkraftressursene, og at den biten kan legges til rette for privat Det kan tilføre selskapet kapital, det kan tilføre eierkompetanse, som jo er omtalt i meldingen ellers som en generell mangelvare i departementet – jeg kommer og det kan øke verdiskapingen og selskapets verdier, slik vi har sett tidligere, i tillegg til at det medfører en risikoavgrensning. Men vi fremmer ikke noe forslag om det. Vi har anført det i merknader. Vi ser det lenger fremme. Når det

å øke departementets kompetanse i eierskapsspørsmål. Det er umulig å mene om det er riktig uten å kjenne detaljene i

men jeg vil minne om at skillet mellom styrets ansvar og deres fullmakter og eiernes kan bli vanskelig. Jeg mener det er styrets oppgave å sørge for det som

departementet skal gjøre. Det kan godt være riktig at eierne skaffer seg slik informasjon, ja. Men det som vil bli viktig her, er hvordan

men jeg forutsetter at også regjeringspartiene mener at det er styrets ansvar å rekruttere de beste lederne for å oppnå de høye ambisjonene for selskapet. Da må ikke de hindres av inngjerdinger som gjør at de ikke Jeg har ikke noe imot regler, men de må i så fall holdes, og vi har jo sett at det har vært argumenteres det i meldingen sterkt for å samle dette enda mer i Nærings- og handelsdepartementet, men uten å konkludere. Det gjør heller ikke vi. Vi mener at enhver her må finne den mest hensiktsmessige organiseringsformen uten

Stortinget skal behandle dette på den måten som det har vært gjort før. Det mener jeg er

president. Det

Men ikkje nok med det: Gjennom den statlege eigarskapen har vi, i tillegg til at

den statlege, bevisste, nasjonale eigarskapen er med på ei bevisst utvikling òg av det private industrielle konglomeratet i det norske samfunnet, og det er noko som vi skal ha med oss i debatten vidare.

såkornfond. SV tok på sitt landsmøte opp behovet for å satse på nye såkornfond, og no har vi fått det på plass og det som regjeringa no blir oppfordra om å setje fortgang i vidare. Vi er veldig opptekne av at når vi no har

Så er vi veldig glade for at det er lagt opp til sterkt fokus på land-for-land-rapportering i meldinga. Land-for-land-rapportering er ei ordning som gjer at

av nødvendig infrastruktur. Vi vil at staten skal være en aktiv eier, og mener at vi i dag sitter med en bred portefølje av eierskap i ulike

er med på å sikre at bedriftene har hovedkontor og forskningsaktiviteter i Norge. Det private eierskapet styrkes gjennom gode og forutsigbare rammevilkår for privat virksomhet og gjennom å føre en aktiv og økonomisk politikk. Senterpartiet har i arbeidet med den nye eierskapsmeldingen hatt fokus på at de statlige selskapene skal ta et sterkere og samfunnsansvar, og det som nå foreligger, viser at vi har fått gjennomslag for mange av våre grunnholdninger. Vi er opptatt av å skape verdier også der verdiene har med det mener vi at statlig eide bedrifter som forvalter nasjonale naturressurser, har et spesielt ansvar når det gjelder å bidra med etableringer av og Statoil er to gode eksempler på statlige selskaper innenfor energisektoren som må være med på å bidra til dette. En viktig målsetting med eierskapet i Statoil er å sikre en langsiktig og sikker utnyttelse og avkastning av selskapets olje- og er Senterpartiet opptatt av at Statoil som et ledende energiselskap også kan ha virksomhet og utvikling innenfor fornybar energi. Senterpartiet ser det som svært viktig at statlig eide til å bygge landet videre. Telenor og Statnett har her et viktig samfunnsansvar i forhold til videre utbygging av telenett, bredbånd og strømnettet i Norge. Gode kommunikasjoner er viktig for verdiskaping og bosetting i

som utnytter såkornkapitalen. Senterpartiet mener det derfor er helt avgjørende at man gjennom etableringen av landsdekkende såkornfond sørger for at

å ta grep om situasjonen.

profitt på kortest mulig sikt, men om langsiktige investeringer for å bygge opp næringsliv, ivareta naturressurser, lokal verdiskaping og bygging av infrastruktur i hele
Neste taler er

bringe inn privat kapital får en den nødvendige dynamikken som gir gode muligheter for en positiv utvikling av selskapet. Mange En slik modell, med selskaper som er drevet etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med staten som en langsiktig eier, gir god økonomisk effekt for aksjonærer, ansatte og samfunnet som

Norge er omfattende, og det krever en bevisst holdning til hvordan eierskapet skal forvaltes.

på alvor. I tillegg til å oppnå reduserte kostnader som følge av ressurs- og energiøkonomisering kan det også bedre selskapets omdømme. Bedre omdømme kan ha positiv innvirkning både på kundetilfredshet og på å tiltrekke seg dyktige og motiverte medarbeidere, for å

Samfunnsansvaret må tydeliggjøres ytterligere, og vi har derfor fremmet et eget forslag om dette som skal behandles senere i dag. Intensjonen med dette forslaget er å sikre et bærekraftig eierskap både i et

avtalen ble inngått for fire år siden. Det må kalles en dårlig deal. Mens de svenske medeierne hadde avtaler om retrettmulighet til en gunstig pris, som de klokelig har benyttet seg av, sitter vi bokstavelig talt med

Prisverdig nok har nåværende næringsminister Giske et langt mindre dogmatisk forhold til statlig eierskap enn sine forgjengere og regjeringspartienes representanter her i salen, som for ett år siden mente det var

Venstre mener at de midlene som man måtte få inn ved nedsalg i enkelte selskap, i sin helhet bør gå til å styrke Forskningsfondet. Det er næringsliv uten at det medfører en oppheting av økonomien. Venstre fremmer derfor forslag om dette i salen i dag. Jeg tar til slutt opp Venstres forslag, som er

eierskap og tilhørende stortingsproposisjon for rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper og behandling av det

har lagt fram en stortingsmelding om statlig eierskap som begrunner hvorfor staten eier, som diskuterer hva staten bør eie og hvordan staten skal utøve sitt eierskap.

Som komiteen også viser til i sin innstilling, har vi vært gjennom en internasjonal finanskrise som påvirker selskapene på en rekke områder. Alt dette gjør at eierrollen og eierskapsutøvelsen også kontinuerlig må

Det er med glede jeg registrerer at det er stor grad av politisk enighet når det gjelder de grunnleggende prinsippene

Når det er sagt, er det et klart ideologisk skille mellom partiene i denne salen når det gjelder omfanget av det statlige eierskapet og ambisjonene knyttet til det er viktig i et større næringspolitisk perspektiv, ved at et betydelig statlig eierskap bidrar til utviklingen av

Det innebærer imidlertid ikke at staten for all framtid skal ha akkurat den samme eierandelen i alle selskapene. Dette mener jeg vi må ha et pragmatisk forhold til. Vi må til enhver tid vurdere om staten er en god eier for et selskap. Vi må være villige til å også dersom det er andre eiere som kan bidra til en bedre utvikling av et selskap, eller det er andre begrunnelser som gjør at det statlige eierskapet ikke lenger er relevant. I den forbindelse har regjeringen bedt om en fullmakt fra til å redusere sin eierandel i Entra Eiendom AS, SAS AB og Secora AS for effektivt å kunne medvirke til å etablere gode industrielle løsninger for disse selskapene. Jeg registrerer at regjeringen har støtte fra opposisjonen når det gjelder dette. Og la meg si det sånn: Staten har ingen hast med disse salgene. Vi skal gjennomføre en god og vi ønsker å finne eierkonstellasjoner som gjør at verdiene i selskapet blir tatt godt vare på, og at driften og arbeidsplassene også håndteres på en god måte. Når det gjelder må man også ha en gjennomgang av eiendomsporteføljen for å sikre at eventuelle funksjonsbygg på et kommersielt grunnlag overføres til Statsbygg, slik at det er den rent kommersielle delen som går ut.

solid finansiell situasjon, og vi trenger slett ikke å selge statlig virksomhet av hensyn til de offentlige finansene. Alternativ plassering ved salg av

Det kan være grunnlag for å diskutere hvor hensiktsmessig det er av staten å selge strategiske eierposisjoner i norske selskaper for å investere midlene i utlandet og hos konkurrenter til de norske

på forskningsbevilgninger å ta kapital fra eierskapet til det andre. Men det er fullt mulig, som regjeringen har gjort de siste årene, å øke forskningsbudsjettene kraftig på ordinær

er det imidlertid grunn til å peke på at det ikke vil være privat kapital i Norge som har løfteevne til å kjøpe opp statens andel i en slik størrelsesorden. Det vil ganske sikkert føre til at disse selskapene og til utenlandske eiermiljøer, og etter hvert vil kunne miste sin norske forankring. Et slikt kraftig nedsalg er også en kraftig utflagging Regjeringen mener det er riktig å etablere nytt statlig eierskap i nye selskaper dersom vi vurderer at staten kan være en god eier. Vi har sagt at det er tre måter dette skal skje på. Vi vil øke kapitaltilgangen til landsdekkende såkornfond. Vi vil øke kapitalen til Investinor, og vi vil også bidra med kapital til de selskapene som vi allerede eier, dersom det er forretningsmessig interessant og etter en analyse viser at det vil gi økt verdiskapning og Jeg vil understreke at nytt statlig eierskap i framtiden som hovedregel må skje på et kommersielt grunnlag, gjerne sammen med private investorer der det er aktuelt. Jeg hørte om Statkraft. Det er jo sånn at når Statkraft nå f.eks. investerer utenlands, skjer det ofte med private partnere, slik at vi får en ekstra vurdering på lønnsomheten i

er viktig å dra erfaring fra de fondene som vi allerede har, slik at vi sørger for at vi kanaliserer pengene der det er mest behov, og der fondene bidrar mest. Når det gjelder en fond-i-fond-struktur, har vi allerede Argentum. I såkornfasen er det få fond, og de som er aktive, er nesten utelukkende fond hvor det offentlige medvirker, selv om det også utløser mye privat kapital. Vi vurderer nå ulike alternativer for hvordan en ny såkornordning skal organiseres, og vil komme tilbake til Stortinget med et forslag når den gjennomgangen er fullført. Det er et viktig poeng at eierskapssaker behandles raskt og effektivt. Erfaringsmessig kan det i enkelte tilfeller være utfordrende, bl.a. når Stortinget ikke er samlet. Det er begrunnelsen for at vi ber om eventuelle begrensede egenkapitalutvidelser i Yara og Kongsberg Gruppen. Med en slik fullmakt vil vi effektivt kunne opprettholde statens eierandel dersom det oppstår et behov for raskt å gjennomføre en begrenset egenkapitalutvidelse. Det kan også skje at det i månedene fra midten av juni til begynnelsen av oktober oppstår forretningsmuligheter, og det kan være behov for å reagere raskt.

at man ikke kunne fått en enstemmighet på det, for det er også en sak som har vært viktig for de to angjeldende selskapene. Regjeringen ønsker med denne meldingen å ofte den største eieren i et selskap, selv der vi har under 50 pst. eierandel. Det er derfor et ekstra ansvar som påhviler staten for å utøve det eierskapet på en god måte, for å være dialogpartner for styre og ledelse. Derfor har vi varslet at vi må styrke eierskapsforvaltningen. Vi skal være forutsigbare i vår kommunikasjon med selskapene. Vi skal ha regelmessige møter med selskapene. Vi skal være en utålmodig, positiv eier, som bidrar til verdiutvikling Jeg mener at staten over år har bygd en veldig solid portefølje. Vi har en god anseelse som eier. Det kan ikke påvises noen aksjerabatt i statlige selskaper. Derfor mener jeg det er riktig å videreføre et statlig eierskap på og å utøve det på en profesjonell, aktiv og langsiktig måte. Det blir replikkordskifte. Jeg vil først takke statsråden for

som mulig. Samtidig vet vi at erfaringer fra de såkornfondene som har blitt opprettet, har vært har til dels gått dårlig. Det er en betydelig oppryddingsjobb som ligger i enkelte av dem. Såkornfondene fra midten av 2000-tallet har gått bedre. De landsdekkende har gått best. Vårt mål er jo å få nye såkornfond som bidrar til mest mulig bedriftsskaping, utvikling og verdiøkning, og som samtidig går på en

enten hovedkontor eller strategisk viktig industri eller naturressurser på norske hender. Jeg registrerer også at den gang da dette ble behandlet, var Fremskrittspartiet positiv til det og ikke minst

Tvert imot var det for å bidra til en langsiktig industriell utvikling. Så vi får vente med evalueringen av lønnsomheten i det prosjektet til vi nærmer omfattende strukturendringer i selskapet som vi tror er veldig positive. Dette gjelder tusenvis av arbeidsplasser, ikke minst i den regionen representanten kommer fra, som jeg mener vi har bidratt til å videreutvikle

at dette er kortsiktig, og at det er unødvendig å gjøre det, for vi trenger ikke pengene. Nå kan jeg ikke huske at vi noe sted har argumentert med at vi gjør dette fordi vi trenger penger. Vi har argumentert med at vi mener det er bra for det

Mener statsråden at det var kortsiktig å selge seg ned fra 100 til
av hva delprivatiseringen i Statoil har bidratt med, men en positiv side ved det er at du får

i kassen enn å sitte i Statoil. Tvert imot, så mener vi at dette er en god plassering av pengene. Det gir oss en solid hånd om det viktigste selskapet i Norge, og derfor ønsker vi å opprettholde eierandelen på

nevnte Venstres forslag om å bruke nedsalgspenger til å styrke Forskningsfondet, og han mente at det ikke gikk an. Etter mine kunnskaper går det bra å fremme en proposisjon om bruk av på samme måte som vi kan opprette andre fond, eller styrke Argentum, som i realiteten er et fond. Jeg vil gjerne høre statsrådens refleksjoner rundt
Mitt poeng er at

Når man gjør det på den måten som Venstre foreslår, må man ta det innenfor diskusjonen om total pengebruk og om handlingsregelen. Det kommer man ikke utenom, for det er den samlede etterspørselen

slik at man kan få en bedre pris for dette hvis det skulle være en

La meg først si at det ville ikke falle meg inn å latterliggjøre noe forslag fra Fremskrittspartiet, i hvert fall ikke i stortingssalen. Så det tror jeg ikke er en riktig beskrivelse. Og de diskusjonene vi har hatt tidligere, har jo dreid seg

da dette var fundamentet for å sikre et godt flytilbud i Norge, men vi mener at både markedet fungerer godt nok, og at en konstellasjon med en større partner slik at man kan være slagkraftig og konkurransedyktig i et veldig tøft internasjonalt marked. Så det er bakgrunnen for den fullmakten som vi nå foreslår.

Vi veit om ein som kan og vil, den kinesiske stat har både evne

og at Investinor både skal evaluerast og få nye midlar. Eg forventar at dette kjem raskt på plass. I samband med etableringa av

forvaltningskompetanse, og det er viktig at vi varetek dei regionale forvaltningsmiljøa vi har brukt tid, energi og midlar på å byggja opp, miljø som har byrja å verka for fullt, men snart

aluminiumsverk i Finnmark. Det finnes det mange meninger om, det er ikke det dette handler om. Dette handler om Høyres troverdighet i miljø- og

helt uforståelig – ja, i grunnen helt utrolig. Men for dem som skal prøve å forstå hva som er Høyres politikk i klima- og miljøspørsmålet, er det betimelig nå å be om en avklaring fra

selskapet gjennom fusjon eller salg av statens aksjer. Jeg forutsetter at hensynet til de ansatte blir ivaretatt på en god måte, og at selskapets tilknytning til Så har jeg lyst til å si noe helt til slutt om nedsalg i SAS. Det er mange der ute i distriktene som er bekymret for Widerøe – hva som vil skje. Jeg er helt sikker på at regjeringen vil sikre

Lillian Hansen for en klargjøring, for representanten har i dag klargjort for all verden noe som man ennå ikke har fått svar på fra noen statsråder. For Lillian Hansen har nå sagt

godt det er blitt

Den synes jeg han kanskje burde transportere videre til komiteen. Det er et faktum i de forslagene som Høyre står bak, at vi i de

investorene her i Norge. Så må jeg få lov til å avlegge representanten Holmelid fra SV en

Så har jeg også lyst til å si til de rød-grønne, som stadig omtaler dette med lederlønninger som om vi skulle ønske høye lederlønninger: Det er ikke det som er poenget i de merknadene vi har skrevet, og det jeg har sagt her. Det som er poenget, er at man ikke greier å følge retningslinjene. Det har vi jo sett resultater av, og det har vi sett avisoverskrifter om hver gang det blir lagt frem en årsberetning. Poenget er nemlig det at man ambisjoner og ansvar som de ikke kan følge opp når de skal ut og rekruttere noen som er gode nok til å gi nettopp de resultatene som vi står på denne talerstolen

totale samfunnshensyn. Dagens norske stat har enorme økonomiske finansielle ressurser. Statens pensjonsfond utland har flere tusen milliarder og vi opplever nå stor og økende usikkerhet ved disse internasjonale finansielle investeringene. Derfor vil Statens pensjonsfond utland nå også investere i fysisk infrastruktur – bygg og anlegg i

som viser at det her er en interessant utvikling på gang.

har Stortinget et stort ansvar i å definere eierrollen. Vi har mange erfaringer med at eierrollen er for utydelig er det viktig at de som skal være lojale mot formålet i styrerepresentasjonen, får et formål som er tydeligere definert slik at en fyller rollen bedre. Valg av statlig selskapsform er svært avgjørende for hvordan et selskap kan driftes.

er sentralt for å redusere avstandskostnadene, og da må vi få til en tilbudsstyrt utbygging, og ikke en etterspørselsstyrt utbygging som i dag.

Vi er enige om at eierskapet er et sentralt og viktig verktøy for norske myndigheter, og vi er enige om at handlingsrommet som er der, skal brukes i et aktivt er også glad for at regjeringen følger opp og forsterker forventningene til og oppfølgingen av selskapenes samfunnsansvar i denne eierskapsmeldingen. Vi er altså veldig enige om disse prinsippene, men vi har et på praksis. Vi opplever at regjeringen i praksis er mer opptatt av begrensningene i det statlige

Dette handler om et nesten helt statlig eid selskap som produserer olje gjennom en av de mest utslippsintensive formene for oljeproduksjon. Kristelig Folkeparti har ved to anledninger fremmet forslag i Stortinget der vi

Så har regjeringspartiet SV vært opptatt av å få på plass en ny eierskapsmelding med klarere miljøretningslinjer for et statlig eierskap for å kunne trekke Statoil ut av slike prosjekter. I valgkampen lanserte SV dette som ett av regjering. Kristelig Folkeparti har ennå ikke registrert signaler om at den nye eierskapsmeldingen får noe preg av det, verken det som er lagt fram fra regjeringens side eller

ganger så mye som oljeproduksjonen på norsk sokkel. Dette er, for å bruke statsråd Erik Solheims egne ord, ikke akseptabelt, og særlig når det er et nesten helt statlig eid selskap som driver med en slik produksjon. Det er ikke akseptabelt at regjeringen ikke velger å bruke sitt eierskap og fremmet et forslag som er helt i tråd med de kravene som miljøvernminister Erik Solheim gikk ut med 20. mars 2009 på SVs landsmøte: Vi må styre Statoil mer. Jeg vet det er kontroversielt, og vi har en lang på at man ikke blander seg inn i forretningsmessige beslutninger, men jeg mener vi er nødt til å se på dette en gang til. Kristelig Folkeparti har fremmet et forslag som gir muligheten til å se på dette en gang til gjennom vårt representantforslag om å stille klima- og miljømål for eierstyringen. Vi registrerer at SV, i likhet med de øvrige regjeringspartiene, har tenkt å stemme dette ned. Det er

et konkurransedyktig og nyskapende næringsliv og en aktiv, medvirkende stat er grunnleggende ved den God utdanning og interessante jobber er med på å bidra til rekruttering. I den forbindelse er det viktig å satse på For regjeringen er det naturlig at vi i den nye eierskapsmeldingen forventer at selskaper med statlig eierskap tar ansvar for å rekruttere lærlinger. Men jeg merker meg at Høyre og Fremskrittspartiet ikke finner plass, blant alle

søker flere kvinner inn i de ledende stillingene i de statlige selskapene, ser vi også på dette området at Høyre og Fremskrittspartiet vegrer seg for å ta

og flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i Norge, skulle en tro at representasjon i ledelsen, naturlig nok, burde gjenspeilet dette. Men slik er det jo ikke. Igjen – høyresidens nøytralitetslinje kan tyde på en

næringsliv klargjør viktige politiske skillelinjer i denne sal. Mens Høyre og Fremskrittspartiet tar til orde for dramatisk reduksjon i det statlige eierskapet, ønsker Arbeiderpartiet et langsiktig, sterkt og profesjonelt statlig eierskap, og at det til god og stabil utvikling i næringslivet. Jeg sitter i utenriks- og forsvarskomiteen og har lyst til å dra et par betraktninger fra vårt ståsted. Først til forsvarsindustrien: Det er ikke tvil om at det statlige eierskapet er viktig for de store bedriftene som tilhører forsvarsindustrien i

primært skal levere produkter til vårt forsvar som vi selv har behov for, men også fordi det dreier seg om arbeidsplasser ikke bare i lokomotivene Nammo og Kongsberg Gruppen, men også

argumentet går også på å ta vare på teknologiutviklingen som forsvarsindustrien og det å ha hovedkontoret representerer, gjennom at vi vet at forsvarsteknologi veldig ofte er spydspiss

Eksempler på det er at én av de to første datamaskinene som Norge hadde i 1968, var utviklet på

til å fortsette å ha et eierskap på over 50 pst. Selv om man kan opprettholde en negativ eierkontroll med 34 pst. statlig eierskap, vil jo en

Ja, det må jo være fordi man har for seg en privat bedrift som er velstyrt, men med et visst statlig innslag. Men det ser ikke ut til at staten følger sine egne eierskapsprinsipper der man eier 100 Jan Grundt har akkurat omtalt omstillingen ved Oslo universitetssykehus som et posisjoneringsspill, og vi ser altså en stor 90 helseforetak, 4 helseregioner, som styres gjennom dekreter av Jeg kunne tenke meg å invitere statsråden til å reflektere litt over denne sektorens mangel på styrbarhet når man velger

også viktig å understreke viktigheten av at det nå strammes betydelig inn i lønnspolitikken i Som medlem av energi- og miljøkomiteen ligger mitt hovedengasjement i de selskapene som grenser inn mot vårt område. Staten eier hele eller som betyr enormt mye for forvaltningen av våre naturressurser. Forvaltning av disse ressursene er til dels konfliktfylt, og det er viktig at selskapene opptrer på en god måte både her i Norge og ute. Jeg er veldig fornøyd med at meldingen legger opp til at selskaper der staten er eier, skal være ledende i sin bransje på lavutslipp og samt at selskapene bør utvikle og ta i bruk best mulig teknologi for å redusere sin miljø- og Selskapene som staten kontrollerer i energisektoren, er store. Statkraft er den største produsenten av fornybar energi i Europa og forvalter store deler av vannkraften i

her hjemme. Derfor er det også så veldig viktig at regjeringen tydelig følger opp Statkraft og legger til rette for videre utvikling i det selskapet gjennom tilføring av egenkapital. Det er vel verdt å merke seg at tilførselen av egenkapital i gjennom tilføring av egenkapital. Det er vel verdt å merke seg at tilførselen av egenkapital i år er vesentlig større enn den har vært under noen annen regjering noensinne. Denne fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassavdeling. Statoil kontrollerer i dag 80 pst. av Det gjør dem til en svært dominerende aktør. Statoil er kategorisert som et selskap hvor staten har en forretningsmessig interesse. Vi har også interesse av at selskapet har Forvaltningen av selskapet må ta utgangspunkt i de generelle formuleringene i eierskapsmeldingen om miljø og men også i den spesifikke omtalen av selskapet. Selv om det slås fast at statens interesser i Statoil kun er forretningsmessige – med tillegget om hovedkontor – må vi ta inn over oss at Statoil er en enormt viktig aktør i en bransje som betyr mye for oss.

Men det er faktisk sånn at det å ha eit godt omdømme er positivt for selskapet. Det styrkjer selskapet om ein har etiske retningslinjer som ein følgjer. Det styrkjer selskapet

samfunnsansvar. I den forbindelse vil jeg fokusere litt på statens innkjøpspolitikk. Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan, Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, som beskriver hvor man vil. Det er meget bra. jeg registrerer også at en samlet komité er opptatt av at bedrifter med statlig eierskap søker å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne konkurrere om kontrakter innenfor de rammene som

er etter mitt syn å ta samfunnsansvaret på alvor i et lokalt og regionalt perspektiv. Jeg skulle ønske at flere statseide Til slutt en kommentar til representanten Nesviks tanker om Alcoa i Finnmark. Regjeringen har aldri sagt nei til Alcoa, tvert imot har den ønsket

Så har jeg i likhet med

Vi må jo snakke om hvordan vi skaper avkastning i det norske samfunnet. Vi har et skattesystem som sørger for at også privat avkastning blir fordelt utover fellesgodene.

innlegg. Det er ikkje vondt meint det eg seier no, men eg registrerer at representanten

Ein samla kontrollkomité var einig i at det var bra at den nye eigarskapsmeldinga ville koma med innskjerping av

Det er tydeleg at Høgre i næringskomiteen ikkje deler dette synet. Her er det styra og berre styra som skal leggja føringane. Også når det gjeld synet på

Det var i grunnen en forventet reaksjon på mitt innlegg. Men jeg tok litt feil. Jeg tok feil med hensyn til hvem som ville reagere. var Høyre som ville komme med et motinnlegg – eller i beste fall en forklaring på hva som nå er Høyres miljøpolitikk. Men det var må jeg si at det var en overdreven reaksjon. Jeg liker faktisk ikke at noen legger ord i min munn som jeg ikke har sagt. veldig tydelig på at jeg ikke la opp til en debatt som skulle omhandle etablering av Alcoa. Jeg ba ganske enkelt – etter de siste fra representanter fra Høyre – om en avklaring på hva som er deres politikk. At det

og det kommer nok av at det står Ap bak navnet mitt. Det er jo fint for Høyre at

men det er det som er konsekvensen av det man har sagt, som faktisk skaper et problem. Det som representanten Lillian Hansen var inne på i sitt hovedinnlegg, var knyttet til at de vedtakene, den avtalebiten, i klimaforliket ligger fast. De ville ikke se på det. Det er jo nettopp den biten som er til hinder for at

nettopp fanget opp akkurat det som har å gjøre med hovedkontor, som flere har vært inne på, og forskning og utvikling. Det er derfor vi ikke vil selge oss under 34 pst. nettopp i disse selskapene. Det gjelder Kongsberg, det gjelder Nammo, som også Laila Gustavsen var inne på i sitt innlegg.

sier at det er helt nødvendig at man har hovedkontorkontroll i de forskjellige statlige bedriftene. Ja, se på Høyres forslag

håndhevelsesdirektiv nå skal overføre håndhevelsen i Norge til domstoler når vi implementerer det, blir det et stort problem for småbedriftene som ikke Det er bedre å bygge ut den. Det blir en stor debatt. Jeg håper han er på vår side i den saken. Og så til representanten Ingrid Heggø og dobbeltmoral,

representanten at man kan gjennomføre og pålegge selskapene, gjennom på en annen måte, som statsråden har dosert for oss i dag? tror jeg man må tenke seg litt om. Vi må bruke de styringsprinsippene som at man styrer gjennom merknader, og at de som ikke undertegner på de merknadene ved å gå inn, er imot, er å trekke det

Næringsdepartementet. Vi sier også at den styrkingen av eierskapsforvaltningen som vi får i vårt departement, skal komme andre til gode ved at vi bidrar med

Når det gjelder Høybråten og oljesand, er det etter vårt syn i strid med god eierskapsforvaltning å gå inn i en slik sak. Vi mener det er et til å få ganske uoversiktlige og uoverstigelige utfordringer hvis vi skal gå inn på den type ganske detaljerte investeringsstrategier. Det finnes også andre områder hvor CO2-utslipp er store, og hvor man kan stille spørsmål ved om det er riktig eller galt å gå inn, men hvor vi mener at det er selskapet som må ta den vurderingen, og så får vi stå for den helhetlige miljøpolitikken som omfatter også de statlige selskapene. Derimot har vi en klar forventning i stortingsmeldingen om at våre selskaper skal være best i på miljø, så der de har et engasjement, skal de bruke den mest moderne tilgjengelige teknologien, og de skal være ledende på

samme retning som regjeringen ønsker. I det hele tatt ser jeg at Kristelig Folkeparti har en posisjon som er nær opp til regjeringspartiene. Det er positivt, for jeg tror at eierskapsdebatt bør få en

og Fremskrittspartiet. Det er overraskende for et parti som har en stolt historie når det gjelder å ivareta norsk næringsliv og norsk eierskap. Det er synd at man nå har lagt seg

det. Men samtidig er jeg også veldig for statlig eierskap, og den blandingen som er, tror jeg er svært bra. Jeg er heller ikke redd for kinesisk kapital, men jeg ser ikke helt fornuften i at at man skal redusere norske eierposisjoner som gir god avkastning, at en setter det i spill i en situasjon hvor det ikke

Hydro. Vi ønsker å bygge opp igjen eierandelen vår i Hydro til 39,9 pst. Det har Stortinget gitt fullmakt til, nettopp fordi vi skal ha det industrielle den muligheten byr seg. Det er særdeles viktig. Så sier Gunnar Gundersen at vi gjør hva vi kan for å hindre privat kapital. Med respekt å melde, det er feil. Det er totalt feil! Vi har en samfunnsmodell som gjennom finanskrisen har stått seg ganske bra. Fra 2005 til 2010 er det skapt 250 000 nye arbeidsplasser – to tredjedeler i privat sektor. antall bedrifter er stor. Hvis jeg husker riktig, var det over 4 500 nye bedrifter i løpet av 2010, og vi har en modell som viser at det er mange som ønsker å investere i Det som står igjen etter denne debatten, er at Høyre og Fremskrittspartiet, uten noen særlig annen begrunnelse, ønsker å overføre store verdier som staten får god avkastning av, til andre.

Så kom finanskrisen i 2008, og kurven etter det er ganske dramatisk annerledes. Det skapes ikke veldig mange arbeidsplasser i privat sektor i Norge, og det er en overflytting av arbeidskraft fra

Man svekker det private eierskapet, man svekker mangfoldet, og man får mer statlig eierskap. Det er jo nettopp det som er bekymringen min, for i oversikten over arbeidsplasser ligger jo Hydro, Statoil, Yara, alle sammen, inne i

så her ligger det stor problematikk. Men så litt til dette med samfunnsansvar igjen. Jeg noterer meg at statsråden velger

Jeg hadde for øvrig to spørsmål til finansministeren da NHO-presidenten ble felt av fiskeolje ved kjøp fra

statsråden – den gang styreleder – ikke tok tak i det, var at han ikke ble informert, eller ikke var klar over situasjonen. Det er klart at er godt nok til å unngå et krav om samfunnsansvar at styreleder bare dukker hodet langt nok ned i sanden, lurer jeg på hva man egentlig vil med samfunnsansvar. Jeg synes samfunnsansvar kanskje er

men ikke gjør noe med det. I revidert hadde man god mulighet til å bevilge penger til såkornfond. Det er nå de er tomme for penger. Det kom

vi har kommet med noen utspill, for vi synes at en rekke statsråder har vært uklare næringspolitisk når det kommer ønsker i forhold til

forsinket, seint, men forhåpentligvis godt – fra regjeringen. Da skal vi ta debatten, og da skal vi avklare det slik at alle skjønner hva Høyre mener. Så til representanten Heggø om det med økonomi og arbeidsplasser. Nå blir det

Statsråden var så klar på en del av de prinsippene at jeg ble glad, helt til han begynte å

fra distriktene og Norge, ut av landet, og importere tilbake det vi selv kunne ha gjort i Norge. Derfor er jeg glad for at LO nå er kommet

Vi ønsker at man skal åpne for at private interesser og private aktører skal få et blomstrende liv ute i distriktene. Det som nå har skjedd, er dessverre at saken er kapitalen var på plass, men de som var inne og skulle finansiere dette, har nå trukket seg ut og investerer i Finland – helt i tråd med

egentlig ikke tenkt å ta ordet igjen i debatten, men etter å ha hørt statsrådens siste innlegg, greier jeg ikke å la være.

Men så hender det at styret gjennom dialog med eier ber om signal om hvilke styringsmessige grep som bør tas for å sikre en ønsket utvikling for bedriften eller foretaket. En slik situasjon hadde vi her i Oslo i går.

i et heleid statsforetak. Vi mener ikke det. Vårt syn er at dette og andre eksempler viser at de regionale helseforetakene bør legges ned, og at vi i stedet får nasjonale sykehusplaner som blir lagt fram sammen

i de omstillingstider som helsevesenet er gjennom, nemlig rollefordelingen. Han har ikke noe synspunkt på hvilken kvalitetsutvikling VG nå har dokumentert gjennom en serie om brudd på helselovgivningen og brudd på vanlig medisinsk forsvarlig virksomhet. Man gjør heller ikke det eiermessige grepet som man skal gjøre i forbindelse med fusjoner og omstillinger, nemlig å se på

av dem er at man skal bruke mindre deltid og ha flere heltidsstillinger, som om ikke dette var noe som jo ikke å bruke flere utgifter på ansatte enn nødvendig. Parkeringspolitikken tas inn som et punkt. Det er en detaljgrad som ikke har noe med moderne eierstyre å gjøre. Når det gjelder dette, registrerer jeg at

denne regjeringen har norsk konkurranseevne falt i forhold til utlandet. Det er det ikke noen vei utenom. Når en da ser på hva vi fra norsk side og fra denne sal har muligheten til å gjøre noe med jeg trekker fram formuesskatten som kanskje det aller viktigste så er man dogmatisk låst til at skatten må forbli på nøyaktig samme nivå som i dag. Det er en prinsipiell feiltakelse. Det er ikke uten grunn at den svenske finansministeren takker Norge og næringsminister for at vi sender norsk kapital til Sverige. Det er heller ingen tvil om at formuesskatten tvinger norsk kapital ut. Det enkle faktum at

et par av de negative sidene ved kjøp og et par av de positive sidene ved salg. Det gjør norske selskaper mer attraktive for utenlandske og, for den saks skyld, norske eiere å være fri fra staten. Det å være fri fra staten er i mange tilfeller trenger absolutt ikke være det, men i mange tilfeller er det det. Det gjør at den norske børs her i Oslo er lite likvid, nettopp fordi vi har mange selskaper med meget høy grad av statlig eierskap.

kapital inn i selskapet eller, for den saks skyld, at man fortrenger utenlandsk kapital eller norsk privat kapital. Så det siste punktet som kanskje er det viktigste av alle:

kan være imøtekommende. Selv om komiteens medlemmer håper jeg at statsråden tar imot det. Selv om det ligger an til å bli nedstemt her i dag, håper jeg statsråden tar dette med seg, fordi det er svært viktig for å vise kursen, hvor vi skal gå framover. Det er

er helt åpenbart at det er en debatt som vi er nødt til å ta på mange fronter. Det er jo også en invitasjon til de rød-grønne politikerne som var veldig opptatt av det som har med lederlønning og pensjonsordning å gjøre, for hvis det virkelig er

at det er forskjellige retninger. Jeg er likevel glad for, som jeg sa i mitt forrige innlegg, at Kristelig Folkeparti stort sett har gått med oss. Det viser at det er et bredere flertall enn de rød-grønne partiene som står bak et sterkt statlig Så har noen etterlyst helseforetakene og en diskusjon eieransvar, og det å begynne en omfattende debatt om helseforetakene, om symfoniorkestrene, om NSB eller Avinor, eller alle dette berører, får man ta med de ulike statsrådene som har ansvaret på området. For det er veldig klart definert i meldingen at Næringsdepartementet ikke er

Så synes jeg det var flott at representanten Gitmark på en glimrende måte beskriver hvor stor forskjellen egentlig er, for det er ikke bare

Debatten har vist at det er forskjeller i synet på omfanget av

ganske merkelig, hvor han på den ene siden roser det private eierskapet som han også er for, men når man snakker om at det private eierskapet kanskje skal bli litt på bekostning av det statlige eierskapet – og vi vet jo at det kan være en fordel på mange vis, for det har vi

Så har jeg lyst til å si litt om det som vi er enige om, eller det som jeg håper vi er enige om. Det er hvordan eierskapet skal utøves og praktiseres. Det er meg å høre representanten Holmelid nå trekke fram Høyre som eksempel på at man går ut og mener noe i konkrete Det forstår jeg da betyr at nå kommer vi ikke til å høre mer fra privatpraktiserende stortingspolitikere hos de rød-grønne som mener et eller annet i de statlige selskapene.

og offentlig dominert som kraftsektoren. Er det én sektor med evigvarende ressurser som har utviklet seg dårlig i forhold til er det nettopp kraftsektoren. Kan det kobles utelukkende til det offentlige eierskapet? Nei, det er ikke gitt. Men det er ett eksempel på det. Statoil, vår største investering på Oslo Børs, er det et selskap som har levert den det burde? Er det et selskap som har levert den verdiutviklingen som det burde? Nei, ikke nødvendigvis. Det er et eksempel på at statlig eierskap er med på å skrive ned verdiene. Igjen ikke nødvendigvis, men det er verdt å gå videre med. Ett moment kommer ikke statsråden utenom, og det er knyttet til oppkjøp. Normalen er at selskaper som er i en oppkjøpsfase, eller for den saks skyld står i fare for – i mangel på bedre ord

ikke til stede og uten innblanding, er det en ideologisk inngang til den saken som vi egentlig diskuterer. Det er helt greit. Det er helt en betydelig politisk forskjell i den saken som nå blir diskutert. At de selger seg noe ut – egentlig betydelig ut, for milliardverdier

Det er etter

og stiller større krav til hva en reiseopplevelse er. Reiselivsnæringen er viktig for både sysselsetting og verdiskaping. Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2010 viser at 6 pst. av alle sysselsatte jobber

for å få et grunnlag for å styrke næringen og plassen den har som en av landets viktigste næringer. I en tid der sysselsettingen i landbruket har gått kraftig tilbake, er det også viktig å gi både landbruksnæringen og distriktene flere bein å stå på. Ikke minst er dette en viktig tilleggsnæring for bonden. Gårdsturisme har et stort utviklingspotensial og kan bety kjærkomne ekstrainntekter for bønder som sliter med dårlig økonomi. Det er et stort uutnyttet potensial for reiselivsnæringen. Ikke minst gjelder dette for turister fra utlandet. Kun én av tre kroner som blir lagt

nødvendig å se alle disse forholdene i sammenheng for å utvikle en god politikk for reiselivet og dermed også for distriktene. Derfor er det behov for

når man skal inn i nye markeder, for å Det er ikke slik at man ser effektene umiddelbart når man begynner å bearbeide et marked. Det har vi sett knyttet til arbeidet man har forsøkt å gjøre i Kina. Man brukte lang tid knyttet til det å opparbeide det russiske markedet, som nå begynner å bære

Bør vi se på måten dette er innrettet på, måten vi selger nasjonen Norge på utad? Ja, det er en rekke forskjellige ting som det kunne vært interessant å få sett på. Videre er det selvfølgelig også virkemiddelapparatet. Vi

Vi har ein handlingskraftig næringsminister, og Arbeidarpartiet er trygg på at den nye strategien vil gi svar på dei utfordringane som representantane trekkjer fram i

flere land rundt oss, i sterk internasjonal konkurranse, har lyktes bedre med å utvikle en mer målrettet strategi for satsing på reiseliv som vekstnæring enn det vi har gjort i Norge. Dette til tross for at regjeringen i begge Soria Moria-erklæringene har

på at det bevilges for lite penger. Spørsmålet er hvordan pengene brukes. Hvordan kan man mer målbart få økt turisme i Norge? Like viktig vil det

på. Har vi gode nok strukturer? Hvor effektiv er markedsandelen av den pengebruken vi har? Er det lett for at pengene brukes

dette i tillegg til å være støttespiller for de mange aktører som verken har kapital eller mulighet til å kunne satse tilstrekkelig til å kunne gjøre seg kjent i utlandet på

at det bør ses nærmere på ulike finansieringsmodeller, og at det er naturlig at dette gjøres i et utvalg, slik som NHO skisserer i sin rapport. Jeg

har ein stor plass i norsk økonomi, og er difor viktig for heile Noregs økonomi, men det som er spesielt med reiselivsnæringa, er at det er

Og då kan vi berre ta eitt eksempel, og det er landbruket. Landbruket, eit levande landbruk i heile Noreg, vil eg oppfatte som ein veldig

i tillegg til den ville naturen. Eller i alle fall: Når vi kjem ned igjen frå den ville naturen på kvelden, er det veldig greitt at det er folk der, og at det er aktivitet der. Så dei partia som er

Så det den raud-grøne regjeringa har gjort når det gjeld Kulturløftet, er kanskje noko av det viktigaste som er gjort for reiselivet i Noreg. Så, som sagt: Å er å sjå på berre halve reiselivet. Vi må sjå på det som ligg rundt dersom vi skal få ein god struktur, dersom vi skal få eit

Norge har unike reiselivstilbud, og Senterpartiet er opptatt av at reiselivet må gis mulighet til å

våre turister og våre gjester her til lands. Jeg har også lyst til å nevne at den avtalen som regjeringen har fått på plass med Hurtigruten, har veldig stor betydning for

Senterpartiet er opptatt av muligheten som ligger i koblingen mellom tilgang til store og unike naturområder, utnytting av lokale ressurser, tradisjoner og ikke minst kunnskapen som folk har. Dette må utnyttes for å få bedre utvikling i

næring er det særlig viktig med fokus på utvikling av reiselivsfyrtårn, felles markedsføring, økt volum og god logistikk. I brev av 11. april 2011 har nærings- og handelsministeren redegjort for det pågående arbeidet med revidering av regjeringens reiselivsstrategi, og at statsråden planlegger å lansere den reviderte

av Nordnorsk Reiseliv er inspirert av denne satsingen på Vestlandet, og jeg synes det er spennende at det også i fjellregionen i vest er interesse for en lignende

for en verdiutvikling og arbeidsplassutvikling der vi har spesielle fortrinn, der vi har kompetanse, der vi har klynger, og der vi som en liten nasjon kan gjøre store

Så det er helt feil som det ble sagt her fra salen, at dette ble nærmest laget i de indre korridorer. Det var i nær dialog med bransjen selv at denne

Det er gledelig nå at det er et bredt flertall i Stortinget som støtter en slik satsing, som mener at er verd å satse på, og ser at dette er en bærebjelke for norsk verdiskapning i framtiden – og ikke minst, som flere har vært inne på, med et stort potensial i distriktene. Forslagsstillerne trekker fram flere utfordringer bl.a. knyttet til samferdsel. Det Forslagsstillerne trekker fram flere utfordringer bl.a. knyttet til samferdsel. Det er mange andre dimensjoner som bør drøftes i men vi har i regjeringen lagt opp til at vi skal fornye den strategien som vi laget i 2007 – igjen i nært samarbeid med dem det gjelder, nemlig aktørene selv, slik at vi raskt får på plass en ny strategi, og slik at vi er oppdatert på de virkemidlene som trengs i en ny tid. Så vi har jobbet tett sammen med bransjen selv, og de som vet hvor skoen trykker, har

Jeg er helt sikker på at vi kommer tilbake til Stortinget med andre typer meldinger og dokumenter, som også gir Stortinget mulighet til å diskutere reiselivsnæringen i en bredere

Igjen må jeg bare si at jeg setter pris på Stortingets engasjement for reiselivsnæringen, og gjenta det jeg sa, at det er alltid et dilemma hva som skal bli til en melding eller ikke. Den strategien vil bli tilgjengelig for stortingsrepresentantene, og jeg inviterer også gjerne stortingsrepresentantene til å delta i debatten som bransjen er i full gang med, om hva slags mål og hvilke virkemidler man bør ha i en reiselivsstrategi. Jeg ser ikke for meg at den strategien blir lagt

er bare ett av flere forhold som

slik at de kan utvikle seg også i fremtiden? Det er verken arveavgiften eller formuesskatten som er hovedutfordringen for norsk som jeg sa i den forrige debatten, svært godt i norsk næringsliv. Derimot er utfordringen for reiselivsnæringen at man ikke klarer å skape produkter som klarer ikke å bygge kompetanse nok, man klarer ikke å bygge helårs arbeidsplasser, og kanskje har man heller ikke store nok enheter til å klare å være slagkraftig i en sektor som er sterkt konkurranseutsatt.

slik at det forsvarer det høye norske lønnsnivået, som jo er vår levestandard. Vi kan ikke bygge reiselivsnæringen på noen andre premisser enn at det skal og med norske rammevilkår. Det tror jeg er fullt mulig, for vi har et unikt produkt å selge, nemlig Norge. Det tror jeg med god fra bransjen selv at vi skal lage en strategi som bidrar til at vi realiserer. Men formuesskatten og arveavgiften kommer ikke til å være en del av den

er det satt fram fire forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Siri A. Meling på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og

Det er Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som står bak I, så presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot. Vi voterer så over